veldig mange år: Ja, men det gjør en jo uansett når en skal bygge en vei. Den veien en bygger med en prosjektfinansiering eller med et enkeltvedtak over årsbudsjettet, skal også vedlikeholdes i 20, 30, 40, 50 år, Når fylkeskommunene bygger en vei, låner de penger. Den skal også betales ned over mange år, så det er ikke den store forskjellen der. Men forskjellen er at en får med krefter som er mye mer kreative, som kan være med å bidra til enda bedre løsninger, altså en innovativ løsning, og det er det vi har sagt er den store fordelen. Så var det Freddy de Ruiter, som igjen angriper oss fordi vi er så indignert over at vi har gått sammen med Fremskrittspartiet om en uttalelse. Indignert – jeg vet ikke om det er det riktige ordet, men vi synes ikke noe om at man i en slik forsamling og i dokumenter som lages av komiteer i nasjonalforsamlingen, sprer usannheter – i skriftlig form. Det at det blir sagt ting som er på kanten i denne salen, har vi vel opplevd mange ganger. Men at man skriver det, synes jeg ikke er særlig bra. Det er ikke noen hemmelighet at det er uenighet mellom Fremskrittspartiet og Høyre når det gjelder bruken av bompenger. Vi er ikke særlig uenig med Arbeiderpartiets og regjeringens syn i bruken av bompenger, men når vi da går sammen med Fremskrittspartiet i en slik uttalelse – og til overmål samtidig er de som har satt i så langt vi kan huske – setter vi ikke pris på det. Anne Marit Bjørnflaten har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, Først til representanten Iversen: Spør du folk i Tromsø om hvem det er sin feil at vi ikke får ny innfartsvei til Tromsø, ny E8, tror jeg ikke de kommer til å peke på regjeringen. Da kommer de til å peke på det mørkeblå Høyre- og Fremskrittsparti-byrådet, som har satt en stopper for en vei som har vært planlagt i 24 år – den viktigste innfartsveien til den viktigste og største byen i Nord-Norge – og det er et ansvar som Høyre og Fremskrittspartiet må ta alene. Jeg er helt enig med Hareide: Det etatene er opptatt av, er forutsigbar finansiering, at det er viktigere enn finansieringsspørsmålet i seg selv. Til Høyre: Vi fikk svaret, her gjør man opp regning uten vert. Ikke bare er det slik at Høyre ikke kan godtgjøre at alle OPS-prosjekter skal ha statlig finansiering, vi får heller ikke vite hvor stor regningen blir. Det får vi først vite om mange år. Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke for det som har vært min aller siste budsjettdebatt i Stortinget. Det har vært underholdende – som alle andre budsjettdebatter. Og til alle som skal fortsette: Lykke til videre! Presidenten takker for lykkønskningen. Ingjerd Schou har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, Jeg registrerer at representanten Meltveit Kleppa prøver å snakke ned belønningsordningen som Høyre tok initiativ til. Til det er det å si at belønningsordningen er et resultat av klimaforliket. Vi i Høyre initierte den, vi ønsket å fordoble den i klimaforliket. Det ville ikke regjeringen. Vi fortsatte å ønske å øke belønningsordningen i klimaforliket, det siste. Heller ikke det var regjeringens initiativ. Og vi har økt med 200 mill. kr i budsjettet for neste år. Så æres den som æres bør. Uansett kan det være greit å minne om dette. Representanten Gorm Kjernli snakker om moderne jernbane. For 2012 kobler man altså ikke på 60 000 innbyggere fra østre linje, den nye Follobanen. Det å glemme å koble på en linje kaller ikke jeg moderne jernbanebygging. Flere representanter har pekt på intercitytrianglet og løsningen til Høyre. Jeg tror jeg har besvart det tidligere. Representanten Bård Hoksrud har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får registrerer at representanten Bratli var opptatt av Albania-turer. Så vidt jeg vet var også hennes tur betalt av skattebetalerne, for det var vel i OSSE-sammenheng. Jeg mener også at representanten Bratli faktisk bør gå tilbake og se hva representanten Hoksrud har sagt når han har uttalt seg. Jeg har sagt at de har bygd motorveinett i et tempo vi bare kan drømme om i Norge. Så har jeg sagt at de har sosiale utfordringer, og jeg har sagt at det er mye dårlig vei der, men de gjør altså noe helt annet enn det vi gjør i Norge. Norge bruker 16 år på å bygge 78 km gjennom Vestfold, og det er seks forskjellige prosjekter på 78 km. I Albania kjører de i 120 km/t og bygger det på tre år. Vi skal altså bruke 16 år – det kan bli 17 år. Så behøver jeg ikke å reise til Hellas. Det er et sosialiststyre, og jeg ønsker ikke å reise til sosialiststyrer nødvendigvis for å lære mer. I Albania er de ikke så veldig glad i den måten å styre på, så jeg tror faktisk det er bedre å reise dit. Der er det noen som er opptatt av å gjøre ting rasjonelt og effektivt, og der er ikke noe kjørt på skakke av sosialister. Så … da er jeg ferdig. Da er dessverre taletiden ute. Det

Vi opplever gong på gong at nye ferjer kjem på plass, men at dei ikkje kan brukast på strekningane fordi dei er større og breiare enn kaia der dei skal leggje til. Dette er ting som det ikkje er tenkt over. Derfor framstår det rett og slett som at ein ikkje har tenkt over at dei nye ferjene, som ofte er breiare og har eit heilt anna lossesystem, skal leggje til den kaia på den strekninga dei er

ofte at gamle, utrangerte ferjer blir sette inn, og desse vinn anbod fordi dei er gunstige i pris. Dei er nedskrivne og dei kan leggjast inn i anbodsprosjekt billeg. Så kvalitet, universal utforming og desse tinga som vi veit er viktige, blir rett og slett ikkje prioriterte. Det er altfor svakt i dagens samfunn at vi ikkje kan få til

dårleg. Vi må også sørgje for å få på plass eit moderne billetteringssystem som gjer at vi har moglegheiter til å ha ein kontinuerleg trafikk over fjorden og slik at ferjene ikkje må gå med sakte fart fordi ein skal billettere. Ferjene blir større og større, og når ein skal 15 minutt, ser ein at dette blir utfordrande. Eit køfrisystem som er raskt og enkelt, bør ein få på plass. Så heilt til slutt nokre ord om fastlandsprosjektet frå øya Hareid, Herøy og Ulstein, som er ein del av den maritime clusteren. Her ser ein i dag at ein tek i bruk moderne teknologi, som vi har gjort i Nordsjøen no under oljealderen.

Jeg kan forsikre representanten Oskar Grimstad at når vi, som jeg sa, bygger bit for bit, så bygger vi store biter. Det er forskjell på store biter og små biter, som den forrige regjeringen, Bondevik II, bygde. Man ser også av bevilgningene at det skjer ting i dette landet på mange områder når det gjelder samferdsel, og det var jeg inne på i mitt forrige innlegg. Så må jeg også avlegge representanten Iversen fra Fremskrittspartiet en liten visitt.

også at man i tillegg snakker med næringen. Både Nord-Norge-benken, nordlandsbenken og – jeg holdt på å si – enkeltpersoner blant oss har møtt næringen i nord når det gjelder de som holder på med anlegg. Da vil jeg legge visitten til bl.a. Veiforum Nord og maskinentreprenørene. De sier at det skjer masse ting, vi har mye arbeid. Jeg

man ikke kunne sammenlikne Norge med Sverige, Finland og Danmark når det gjelder konsulentvirksomhet etc. Faktum er at vi har en konsulentfest i Norge. Vi bruker mange hundre millioner kroner på konsulenter. gjør. Hvordan dette skal kunne kvele en landsdel, det blir litt vanskelig å forstå. Jeg trodde faktisk det skulle løse

om at de har lagt inn penger til dette. Men vi får kanskje det svaret om noen år. Vi har derfor våre ord i behold, og synes det er fornuftig å stå inne i den merknaden. Men forloveden må være litt skuffet i dag. Jeg registrerer nok en gang at representanter fra regjeringspartiene bedriver det jeg velger å kalle ansvarsfraskrivelse. Representanten Bjørnflaten henviste til innfartsåren til Tromsø. Det var ikke måte på hvor viktig denne veien var – hovedfartsåre, innfartsåre osv. Da er det merkelig at men mener at Tromsø kommune skal ta ansvaret for det. Det er da vitterlig ikke en kommunal vei. Dette er gjengs i Nord-Norge. Én ting er å kjøre E6 fra Nordland til Oslo, men kjører du nordover, er bildet et annet. Snakker du med folk nordover, er bildet et annet.

S. Iversen, som har vært betydelige stemmer fra nord og ivaretatt de nordnorske interessene. Det er ikke tvil om at taperne i dette budsjettet er Nord-Norge. Viss jeg skal rangere dem på seierspallen, for å bruke det utrykket, står Troms desidert øverst, dessverre. Det er mye som mangler. Nordnesfjellet og Sørkjosfjellet har vært nevnt, og i august 2011 var daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i Kåfjord i Troms og lot seg avbilde og bli intervjuet om at man var klar til å sette i gang når det gjaldt Nordnesfjellet, og det skulle komme inn på statsbudsjettet. Det skjedde ikke. Det samme med Sørkjosfjellet, det skjedde heller ikke, osv., så at Troms er taperen, tror jeg ingen er i tvil om. Det tydet det også på da man leste media etter at statsbudsjettet var lagt fram. Det sto svart på hvitt i alle aviser i nord, og ble også sagt i radio og TV, at Troms og Nord-Norge var samferdselsbudsjettets tapere. Det tar vi med oss, også inn i valgkampen.

inn til Tromsø, som det har vært en stor debatt om skal bompengefinansieres. Representanten Anne Marit Bjørnflaten var her oppe på talerstolen og sa at hvis en hadde spurt befolkningen i Tromsø om en ville ha en bompengefinansiert vei, så hadde de sagt ja. Befolkningen i Tromsø er spurt. De ble spurt gjennom kommunevalget. Der gikk altså de borgerlige partiene til valg på at en skulle bygge en del av en ny innfartsvei til Tromsø, og den skulle ikke bompengefinansieres. Det var klart når velgerne gikk til valgurna, og velgerne var krystallklar. De ville ha bort de røde som satt og styrte. De ville ha et borgerlig flertall i byrådet. Det har de fått, og de borgerlige står på de har lovt. Vi skal ha en ny vei, men bilistene skal ikke betale den i form av bompenger. Så jeg Anne Marit Bjørnflaten bør kikke litt bakover og se hva som var klart allerede da en gikk til kommunevalget for to år siden. Jeg vil si at jeg er glad for at Fremskrittspartiet prioriterer det i sitt alternative statsbudsjett. Den nye E8 inn til Tromsø skal bygges uten at bilistene skal blø nok en gang. Gorm Kjernli har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Representanten Schou hørte ikke, eller ville ikke høre, hva jeg sa om påkobling av Østre linje, og derfor må jeg gjenta det. Den vil bli nødvendig etter hvert. Derfor er jeg glad for at Jernbaneverket nå skal utrede en planfri påkobling av Østre linje som kan bygges etter at Follobanen står ferdig. De første årene etter at Follobanen ferdig, vil det være fullt mulig å krysse på Ski stasjon, og Jernbaneverket har allerede skissert et ruteopplegg der tog fra Østre linje krysser på stasjonen og inn i den nye tunnelen. Så må påkobling komme etter hvert. Min frykt er at kommunene i Indre Østfold nå er i ferd med å komme med innsigelser – godt støttet av representanten Schou. Det kan være med på å bidra til en utsettelse av Follobanen. Det ansvaret får de ta, men det vil ikke gjøre situasjonen noe bedre for Østfold-pendlerne. Da kan en spørre seg om det er jeg eller representanten Schou som må ta ansvar for det. Det er noko av debatten her i dag som går på modernisering av jernbanen og modernisering av transportpolitikken. No har me forstått at Framstegspartiet skal til Albania og få «modernisert» sin samferdselspolitikk. Der går toget i 20 km/t, men dei bryr seg ikkje noko særleg om tog. Så da går spørsmålet til dei tidlegare statsrådane Hareide og Ingjerd Schou som var i gang med å privatisera jernbanen, og som skapte trøbbel for oss når me skulle satsa meir på jernbanen. Kva er idealet dykkar? Viss det skulle vera truverdig, måtte det vera Sveits. Sveits er sannsynlegvis best i verda på tog. Kva slags moderne løysingar har Sveits? Jo, dei har faktisk statsbanar, slik som Noreg. Det er det beste toglandet i verda. Så skal de altså

29 000 persontog blei innstilte. Dette er «moderne», folkens. Det er «moderne» å ha forseinkingar, det er «moderne» å måtta ta i bruk museumsplog, det er «moderne» å sørga for at godstog står, det er så «moderne» at England som prøvde dette, sikkert aldri kjem til å gjera det igjen, for det gjekk så dårleg. Frankrike, som er eit av dei andre store toglanda, vil no slå saman NSB og Jernbaneverket, det er deira modernisering. Dei nye regjeringskollegaene som eg håpar aldri kjem i regjering, dei skal modernisera på den svenske og engelske måten. Det skal me fortelja det norske folket at vil vera ein katastrofe. Me må satsa på sveitsisk organisering av jernbanen, og da går me vidare på det sporet me er på i dag, og vekk frå den politikken som Hareide, Halleraker og andre stod for i 2005. Det hadde blitt ein katastrofe i Noreg òg, om den politikken hadde fortsett. Sjå til Sverige, de som vil ha ny regjering. Presidenten er i tvil om alle utsagnene og begrepene som representanten brukte, er parlamentariske. Neste taler er representanten Janne Sjelmo Nordås, som har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. En skulle tro at desembernatten fullstendig hadde tatt over når en hører beskrivelsene fra mine kolleger fra Nord-Norge. Det virker som om det der ikke skjer noe som helst. Det er da vitterlig ikke rett. Helgelandspakken ligger i statsbudsjettet med fase Nord. Saltenpakke 1 er gjennomført, og en er i gang med Saltenpakke 2. Det er varslet bypakke i Bodø. Det er oppstartsbevilgning til E6 Hamarøy, vi har Hålogalandsbrua, Skibotn på E8 og E6 i Alta, for å nevne noen prosjekt. Det er høy aktivitet. Men så får en ikke innfartsveien til til Tromsø på E8, for de har sagt nei til bompengefinansiering. Det samme er tilfellet for Harstad, og da står en sist i køen – slik er det. Det er høy aktivitet, som representanten Strøm har vist til. Vegforum Nord sier at det er stor aktivitet i bransjen, og en har utfordringer med å følge opp kapasitetsmessig, og vi henter inn entreprenører fra utlandet. Og det er rett og viktig når vi ønsker å Neste taler er Susanne Bratli, som får ordet til et treminuttersinnlegg fordi hun er saksordfører for sak nr. 4. Det er jo interessant å sitte og høre diskusjonen om Nord-Norge og manglende satsing på Nord-Norge. Nå synes jeg representanten Sjelmo Nordås hadde en bra opplisting som viser at det ikke er manglende satsing på Men realitetene er at det hadde vært ytterligere satsing på Nord-Norge hadde det ikke vært sånn at man i Tromsø hadde sagt nei til bomvegfinansiering. Troms hadde vært budsjettvinneren i Nord-Norge dersom det ikke hadde vært sånn at man hadde vendt tommelen ned for byggingen av E8. Det har vært en 24 år lang kamp. Det er en trafikkfarlig og sterkt trafikkert strekning vi snakker om. om. Man skulle også få ny veg og ny trasé, og én mil med midtrekkverk, og det var nesten sånn at man kunne sette spaden i jorda. Så kom det et kommunevalg, og så snudde man. Det skulle bli et spleiselag der staten skulle inn med 50 pst. av kostnadene, og det er ikke så veldig vanlig lenger i disse dager på bomvegprosjekt – 550 mill. kr. Så lot Høyre i Tromsø seg presse av Fremskrittspartiet til å si nei til bompenger. Da er det jo sånn at Troms er det fylket i landet som har færrest bomvegprosjekt. Det som er litt betenkelig i den sammenhengen, er jo at dersom man ikke snur i Tromsø, kan det faktisk være sånn at E8 ryker helt ut av Nasjonal transportplan, og det vil ta mange år før man får en ny sjanse. NHO, Næringsforeningen og mange andre i Tromsø raser mot byrådet. Det kan vi se, vi som følger dette fra utsiden og leser i avisene om Nord-Norge. Byrådet tror også at en blå regjering etter valget skal kunne gjøre at de slipper bompenger. Vi som har hørt representanten Øyvind Halleraker snakke om dette, tror ikke at det er veldig sannsynlig. Så helt til slutt noen få ord om Albania. Poenget mitt med å dra fram flere forhold om Albania er at man ikke kan dra et sted og si at dette er så bra, så det skal vi gjøre, for ting har en konsekvens – ting henger sammen. Albania må drøftes i en større sammenheng, for fokuset på hvordan systemet fungerer, må jo være viktig. Og systemet fungerer altså sånn at man bruker alle pengene på motorveier og har ikke noen penger igjen til andre ting – det er ikke noen penger igjen igjen til jernbane og ikke noen penger igjen til vedlikehold. Det betyr altså at man ikke får noen bedre veier noen andre steder, og det betyr at man har mange trafikkdrepte. Ting henger sammen med alt. Det må man kunne se også fra Fremskrittspartiets side. Hallgeir H. Langeland har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. «Fysst lage me ein vei som e så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

Den har mange avkjørsler og bebyggelse som ligger tett inntil veien med direkte adkomst, og det mangler gang- og sykkelvei. Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk i 2011 var på ca. 1 200 kjøretøy og ca. 14 pst. av dette var tungtrafikk. Med en gjennomsnittlig bompengesats på 30 kr per passering er det regnet med at årsdøgntrafikken vil øke til ca.1 490 kjøretøy i 2015. På deler av denne strekningen er det stor fare for ras, og derfor skal Falkentunnelen på 930 meter bygges – i hovedsak med statlige midler. Beboerne langs denne veien kan nå se fram imot bedre forhold for dem som sykler og går, med ny gang- og sykkelvei fra Fjellhaug til Totenvika kirke, en strekning på ca. 5,4 km. Det skal gjennomføres støyskjermingstiltak for om lag 60 boliger, og jeg vil understreke at man tar sikte på å bygge en terrengtilpasset vei formet i forhold til det kulturlandskapet som veien går gjennom. Oppland fylkeskommune og Østre Toten kommune har kommet fram til enighet om et opplegg for delvis bompengefinansiering for utbedring av denne veistrekningen. Av de omliggende kommuner støtter Gjøvik kommune dette. Vestre Toten har tatt saken til etterretning, mens Eidsvoll kommune ikke slutter seg til forslaget. Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, SV, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti mener allikevel at det er tilstrekkelig lokalpolitisk tilslutning til prosjektet, og vil tilrå Stortinget å samtykke i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger for finansiering av denne utbyggingen, og at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet for å fastsette nærmere regler for finansieringsordningen. Fremskrittspartiet støtter ikke dette og har et eget forslag i saken. De har også lagt inn sine faste merknader som de har i denne type saker, og vil sikkert redegjøre for dette. Utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella og Totenvika betyr tryggere trafikk, mer rassikker vei, økt framkommelighet, mindre støy for beboerne, bedre forhold for myke trafikanter, og det har en positiv effekt på miljøet. miljøet. Jeg mener at dette er en bra dag for dem som bor i dette området, for næringslivet og for alle som ferdes på denne veien. Jeg legger med dette fram flertallets innstilling i saken. Etter mange bompengesakdebatter i Stortinget og etter mer enn seks timers budsjettdebatt tror jeg det er

Det er et viktig prosjekt for dem som bor langs veien. Derfor er Fremskrittspartiet selvsagt for å gjennomføre tiltaket, men vi er også – selvfølgelig – imot at dette skal finansieres med bompenger. Vi er spesielt imot det på bakgrunn av at dette altså er en tidligere riksvei, som nå er eksportert til fylket. Vi har et alternativt finansieringsforslag, som jeg herved tar opp, og som og som står i innstillingen. Jeg viser også til merknadene våre i innstillingen og kan gjenta at med dette prosjektet nærmer bompengeregningen seg, som alle bompengetilhengere i denne salen så ivrig har sørget for å føre videre til bilistene gjennom denne perioden, 40 mrd. kr – 40

Ikke minst tror jeg det er mange trailersjåfører som kjører denne strekningen, som er fornøyd med at det nå kommer en tunnel gjennom Skreifjella, og at den endelig skal komme på plass. De som ikke har kjørt strekningen, kan kanskje være litt overrasket over at en bygger en rassikringstunnell på flatbygdene ved Mjøsa, men en liten kjøretur viser mer enn godt nok behovet for å utbedre vegen. Den er smal, svingete og rasfarlig, og på enkelte strekninger er og på enkelte strekninger er fartsgrensen nede i 30 km/t. Alle skjønner at det vil ha en betydning spesielt for dem som bruker vegen som en del av sin arbeidsdag, enten det er som pendler, eller det er en av de hundrevis av trailere som kjører til og fra Gjøvik og Raufoss. Raufoss har en av Norges største industriparker. De produserer høyteknologiske produkter til krevende kunder i hele verden. De er avhengige av å få fraktet sine produkter raskt og effektivt ut til sine kunder, og fv. 33 er den korteste vegen for dem ut i verden. Utbyggingen av fv. 33 er bare ett av mange prosjekter som Senterpartiet og den rød-grønne regjeringa har satt i gang. Jeg vil nevne noe av det som har skjedd i Oppland: Kvivsvegen er åpnet, E16 Filefjell er i full gang, E16 sør for Bagn er i gang, rv. 4 ved Reinsvoll er øyeblikkelig ferdig, og statsbudsjettet har varslet rv. 4 Lygna sør om få strakser. i Øyer er snart ferdig, og vi vet at Frya–Sjoa er varslet før jul. Fv. 34 er også snart ferdig, som et flott prosjekt ved Randsfjorden, og nå kommer altså fv. 33 Skreifjella. I tillegg er det bygd en rekke kilometer med gang- og sykkelveger. Jeg må bare få lov til å nevne dette i denne saken, ettersom jeg ikke tok ordet i den debatten som var tidligere i dag, der

Men det har ikke gjort noe. Det er ikke bare jeg som er begeistret over at det skjer noe. La oss få fortsette sånn. Jeg hadde en interessant samtale med en person i Statens vegvesen tidligere i høst. Han sa han hadde vært i etaten siden 1970-tallet, men hadde aldri opplevd maken til det han hadde opplevd med denne regjeringa. Det er ofte klokt å lytte til erfarne folk – ikke minst til dem som har vært i etaten Jeg ønsker i alle fall alle som jobber i Statens vegvesen, lykke til med arbeidet med utbyggingen av fv. 33 og alle de andre prosjektene. Jeg ønsker også lykke til til dem som får anbudene ved utbyggingen. Det er ikke alltid en tenker så nøye over at slike statlige prosjekt som utbygging av veg, faktisk har en reell betydning for sysselsettingen, både i offentlig og privat sektor. Statens vegvesen har mye å gjøre på planleggingssida, og de private får anbud – både store og små. Dette er nok en god dag for trafikantene i Norge. Med Senterpartiet og de rød-grønne i førersetet vil det bli flere gode dager framover. Jeg er glad for at Stortinget i dag gir tilslutning til regjeringens forslag om delvis bompengefinansiering av utbyggingen av fv. 33 mellom Skreifjella og Totenvika i Oppland. Det går fram av innstillingen at det er enighet i hele komiteen om at prosjektet på fv. 33 er en viktig oppgradering av veien, og komiteen er også fornøyd med at vegen skal gjøres tryggere for gående og syklende ved å etablere 5,4 km gang- og sykkelvei. Det betyr at det vil gi dem som bor langs denne veien en bedre hverdag også ettersom mange boliger nå kommer til å bli skjermet for støy og får sikrere avkjørsler. Forslaget fra regjeringen om delvis bompengefinansiering av prosjektet får støtte fra alle parti, bortsett fra Fremskrittspartiet.

Derfor blir også prosjektet tildelt 178 mill. kr i statlige midler. Tilskuddet skal resultere i byggingen av Falkentunnelen forbi den rasutsatte strekningen. Opprustningen av veien er viktig for lokalbefolkningen, men den er også viktig for lokalt næringsliv. Dette er den viktigste forbindelsen til Oslo og Gardermoen for denne delen av Oppland. Mye av industrien i Gjøvik-regionen benytter også denne veien mot Oslo i stedet for rv. 4, bl.a. på grunn av den store stigningen over Lygna. Veien som nå blir opprustet, er en fylkeskommunal veg, og det er derfor Oppland fylkeskommune som er veieier. Bompengesøknaden som Stortinget nå gir sin tilslutning til, er utarbeidet av fylkeskommunen. Jeg mener at Stortinget bør støtte den type lokale initiativ der det er snakk om fornuftige veiprosjekt. Staten er også her med på å bidra med tilskudd slik at veien blir rassikker, og jeg viser i den sammenheng til hele komiteen, inkludert Fremskrittspartiets medlemmer, jeg viser i den sammenheng til hele komiteen, inkludert Fremskrittspartiets medlemmer, er enige om at det omtalte prosjektet er et klokt prosjekt og bør gjennomføres, selv om det kan være uenighet om finansieringen. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen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

datalagringsdirektivet. Komiteen har også fått uttalelse i saken fra Justis- og beredskapsdepartementet, datert 19. juni i år. Videre viser komiteen til Stortingets tidligere behandling av Prop. 49 L for 2010–2011, Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. – gjennomføring av EUs Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet og Høyre, deler forslagsstillernes utgangspunkt i at individuell frihet og offentlig inngripen i privatlivet må så mye som mulig. Samtidig ser dette flertallet at dagens situasjon for politiets benyttelse av trafikkdata er uholdbar, ut fra både hensynet til personvern og effektiv kriminalitetsbekjempelse. Det er kort og godt ikke godt nok slik praksis er, og har vært, i Norge. Slik representantforslaget er formulert, er det vanskelig å oppfatte dette som annet enn omkamp. Flertallet, Høyre og Arbeiderpartiet, vil understreke at behandlingen av Prop. 49 L for 2010–2011 handlet om å gjøre endringer i norsk lovgivning om lagring og sletting av elektroniske trafikkdata. Vedtaket innebar også en gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. Flertallet mener at EUs utsettelse av revisjon av datalagringsdirektivet ikke bør ha betydning for denne saken. Europakommisjonens forslag til revisjon av datalagringsdirektivet er utsatt og ser ut til å bli lagt fram tidligst mot slutten av 2013. Det er ikke fremkommet nye momenter i denne saken som tilsier at implementeringen burde utsettes. Tvert imot er det viktig at lovgivningen implementeres raskest mulig, fordi dette vil styrke kampen mot alvorlig kriminalitet, og styrke personvernet. Det er positivt at Fremskrittspartiet ikke er uenig i at trafikkdata er viktig for å bekjempe og oppklare alvorlig kriminalitet. Trafikkdata fra elektronisk kommunikasjon går fra å bli lagret av et kommersielt hensyn – fakturering – til et samfunnsmessig hensyn – kriminalitetsbekjempelse. Tidligere har trafikkdata i enkelte tilfeller blitt lagret uten lovhjemmel, ofte i for kort tid og iblant lenger enn tillatt. Regelverket partene har blitt enige om, vil styrke personvernet på dette og andre områder.For å ivareta personvernet skal det innføres strenge regler for uthenting, oppbevaring og sletting av data. Eksempler på dette er seks måneders lagringstid, at politiet må ha rettens kjennelse ved utlevering av data, høy strafferamme og sletteplikt. Samtidig forutsetter vi at Datatilsynet styrker sin Lagring av historiske trafikkdata innebærer ikke overvåking. Lagring av historiske trafikkdata skjer hos de fleste ekomtilbydere alt i dag av kommersielle hensyn, som utarbeidelse av regninger. Lovverket for såkalt kommunikasjonskontroll – romovervåking og – har ikke blitt endret. Terroranslagene 22. juli 2011 samt forsvinningen og drapet på en ung kvinne i Oslo høsten 2012 er to saker hvor tilgang på elektroniske spor har vært avgjørende for politiets etterforskning. Flertallet foreslår med dette at dokumentet vedlegges protokollen.

Arbeiderpartiet mener – i likhet med Høyre – at begrunnelsen for implementeringen ikke har endret seg, og at direktivet fortsatt er like relevant. Forslagsstillerne ønsker å utsette implementeringen av datalagringsdirektivet på ubestemt tid fordi de mener det er for store uklarheter For det første er det viktig å påpeke at forhold som forslagsstillerne peker på, heller ikke var avklart da Stortinget vedtok å implementere direktivet. Dette gjelder bl.a. forhold som resultatet av EUs revisjon og kostnader ved innføringen, som også saksordføreren var inne på. Likevel var stortingsflertallet av den klare oppfatning at det var nødvendig å implementere direktivet for å sikre politiets tilgang til trafikkdata, og dette behovet har

PT og politiet for å finne gode løsninger på praktiske problemstillinger som er innkommet i høringen. Til slutt: Mindretallet hevder igjen at datalagringsdirektivet åpner for overvåking. Arbeiderpartiet mener at dette er like lite tilfelle i dag som da vi hadde debatten sist i Stortinget. Overvåking innebærer aktivt og kontinuerlig å følge med på hva noen foretar seg. Stortingets vedtak har ikke noe med overvåking å gjøre. I utgangspunktet har ikke politiet tilgang til noen data, og de vil kun få tilgang til utvalgte data på bestemte vilkår. Arbeiderpartiet støtter på denne bakgrunn at forslaget vedlegges protokollen. Arbeiderpartiet og Høyre vil underlegge hele den norske befolkningen døgnkontinuerlig overvåking gjennom å innføre EUs datalagringsdirektiv i Norge. Staten skal få bruke teleselskapet ditt til å registrere hver gang du kommuniserer med dine barn, din ektefelle, dine venner, dine forretningsforbindelser, dine klienter, din lege, dine politiske meningsfeller og samtlige andre. Til tross for at Norge er et velfungerende demokrati, bør vi likevel ikke ha blind tro på at norske myndigheter ikke kan misbruke makt. Tyskland har opp gjennom historien hatt svært dårlige erfaringer med dataovervåking. Det samme har Tsjekkia og Romania. Disse landene har derfor avvist implementeringen av datalagringsdirektivet i sine respektive grunnlovsdomstoler, og har slettet all data. Jeg mener at Norge ikke trenger å få noe norsk Stasi eller et Securitate før man innser at datalagringsdirektivet er feil. Det er en rekke uavklarte spørsmål knyttet til datalagringsdirektivet som gjør at det er Da vi skrev representantforslaget, het det at loven skulle tre i kraft 1. januar 2013, men i statsrådens uttalelse til komiteen heter det nå at vedtatte endringer i straffeprosessloven og ekomloven først skal tre i kraft i løpet av 2013 – dette grunnet uavklarte forhold knyttet til sikkerhetskrav og andre tekniske krav samt utfordringer med å avklare kostnadsforholdene. Det er heller ikke registrert at forskriften er ferdig. EU har heller ikke lagt fram sitt forslag til revisjon av datalagringsdirektivet, som skulle legges fram i 2012. Datalagringsdirektivet er fortsatt ikke innlemmet i EØS-avtalen fordi Island i praksis har parkert direktivet. Det er dessuten uavklarte spørsmål både knyttet til lagring – rent teknisk – og avklaringer knyttet til innsynsretten. Dersom en abonnent får innsyn i brukerdata, betyr det at den i husstanden som er abonnent, får innsyn i dataene til andre brukere i husstanden. Denne adgangen ville i så tilfelle som overvåker sin ektefelles kontakt med f.eks. krisesentre. Det er viktig å utsette implementeringen av direktivet inntil alle detaljer er klare, først og fremst fordi alle detaljer må være på plass for best mulig å sikre brukerens personvern. Internett har hittil vært en viktig kanal for å spre tanken om frihet og demokrati, noe som er veldig positivt. Denne uken har imidlertid Den internasjonale teleunion, ITU, en stor konferanse i Dubai der det bl.a. skal diskuteres forslag fra Russland og den arabiske verden som i praksis vil innebære forsøk på myndighetskontroll over Internett. Det er også viktig å ha detaljene på plass for å unngå konkurransevridning mellom aktører som velger ulike løsninger, noe som kan unngås dersom man kan komme fram til en bransjestandard. Jeg vil takke for samarbeidet i komiteen, relatert til Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Jeg har gleden av å legge fram et felles forslag, fra disse partiene og Fremskrittspartiet,

mindretalet. Dette er jo ein slags markeringsomkamp av den store debatten me hadde tidlegare, så eg forstår godt at enkelte ligg lågt og ikkje vil bruka mykje tid på dette, inklusiv meg sjølv. Berre eit lite tankekors: Det som no skjer, er at Høgre og Arbeidarpartiet har gått saman i denne saka for å implementera eit direktiv som veldig mange var imot. Det same såg me med vikarbyrådirektivet, der ein òg gjekk saman med Høgre for å gjera dette. No er jo det akseptert av oss som er med i regjeringa – det er ikkje det, men det er noko med EØS-avtalen, som stadig vekk angrip Noreg med det eg vil Derfor er det veldig bra når landsmøtet i Arbeidarpartiet vedtek at ein ikkje skal implementera EUs fjerde postdirektiv, f.eks. Eg trur me må ha meir sjølvstende i forhold til EU i fleire saker som kjem fram. No kjem sannsynlegvis snart det fjerde jernbanedirektivet. Det er det same der – import av Høgre-politikk, der ein ønskjer å privatisera jernbanen, og der NSB

fortsatt. Utover det har jeg ikke tenkt å bidra til noen lang debatt i saken, men bare gjøre rede for at det er der vi står.

kan aldri kombineres med et overvåkingssamfunn. Et parti som står for mer makt til individet, kan ikke være for datalagringsdirektivet, uansett form. Datalagringsdirektivet vil, hvis det gjennomføres, med denne regjeringens holdninger, åpne for en krenking av personvernet vi hittil ikke har sett. Jeg er i denne saken litt glad for regjeringens manglende gjennomføringsevne. Datalagringsdirektivet har skapt hodepine i både Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet. Stortinget har dessverre vedtatt at det omstridte direktivet skal tre i kraft, men regjeringen har ikke klart å innføre det. Årsaken er bl.a. at det ikke er blitt enighet om hvem som skal ta regningen. Et utvalg nedsatt av Samferdselsdepartementet anbefalte at staten skulle dekke størstedelen av utgiftene, men hvor mye penger direktivet vil koste, er fremdeles uklart. I mars i år ble det klart at direktivet ble utsatt på ubestemt tid. Planen var nemlig at det skulle innføres i sommer, men det ble for tidlig. Da var direktivet allerede noen måneder på etterskudd. Nå ser ikke Samferdselsdepartementet for seg at direktivet kan tre i kraft før slutten av 2013, men selv ikke det kan de love – heldigvis. Direktivet er svært kontroversielt, ettersom det gjør at informasjon om hvor, hvordan og hvem du kommuniserer med, vil bli lagret i et halvt år. Trafikkdataene som skal lagres, er svært sensitive, og lagringsregimet som Datatilsynet har bestemt skal brukes, gjør at det blir svært kostbart. Det var Arbeiderpartiet og Høyre som sikret flertall på Stortinget for å innføre Om direktivet vil overleve en ny regjering neste høst, er imidlertid opp til velgerne. Venstre mener vi ikke kan svikte personvernet, den liberale rettsstaten eller tanken om frie borgere. Derfor er Venstre det sikreste valget for dem som mener at datalagringsdirektivet må stoppes etter

til transport- og kommunikasjonskomiteen. Jeg kan ikke se at det har framkommet nye momenter i saken som tilsier en utsettelse av implementeringen av datalagringsdirektivet i norsk rett. Tvert imot mener jeg det er viktigere enn noen gang å få på plass direktivet. Implementeringen av dette direktivet vil gi politiet et helt nødvendig redskap i arbeidet for å skape et tryggere samfunn. samfunn. Her vil jeg spesielt nevne arbeidet mot terror og kampen mot overgrepsbilder av barn. Det haster med å få implementert direktivet, spesielt med tanke på lagring av IP-adresser. I dag pålegger Datatilsynet alle Internett-leverandører å slette trafikkdata knyttet til IP-adresser etter 21 dager. Utvidelsen fra tre uker til seks måneder er meget viktig for politiets etterforskningsarbeid. I løpet av de siste årene har tilgang til dataopplysninger vært avgjørende for politiet i flere alvorlige saker. Jeg kan f.eks. nevne NOKAS-saken, lommemannen-saken og Baneheia-saken. Trafikkdata har selvsagt også vært svært viktig både for å bekrefte og avkrefte teorier i Breivik-saken. Årsaken til at reglene om datalagring som Stortinget vedtok i fjor vår, ennå ikke er trådt i kraft, er at det er viktig å få på plass regler som sikrer en god og velfundert balanse mellom personvern og kriminalitetsbekjempelse. Stortinget stilte strenge krav til sikkerhet for lagring av data. Det har vært en lang og krevende prosess å skulle utarbeide detaljerte regler for dette. Datatilsynet har utarbeidet konsesjoner for tilbydernes lagring, og FAD arbeider med endringer i personopplysningsforskriften. Videre er det opplyst til meg at Samferdselsdepartementet snarlig vil godkjenne Post- og teletilsynets forskrift om datalagring. Kostnadsspørsmålet er utfordrende og har tatt noe tid å vurdere. Jeg mener det er nødvendig å finne løsninger som både ivaretar politiets behov for denne type data og konkurransevilkårene for tilbyderne i ekombransjen. Valg av kostnadsmodell er derfor ennå ikke avklart, men vil bli forelagt Stortinget i lovs form så raskt som mulig. Det er nå svært usikkert når man kan forvente en revisjon av datalagringsdirektivet i EU. Behandlingen er nå koblet opp mot forhandlingene om forslag til nytt personvernregelverk i EU. Revisjonsforslaget vil ikke bli lagt fram før det er enighet om personvernregelverket. Tidsforskyvingen av denne behandlingen er et ytterligere argument om ikke å utsette vår ikraftsetting av regelverk som implementerer datalagringsdirektivet. Jeg kan til slutt opplyse at nå har også Tsjekkia og Romania tatt de nødvendige nasjonale grep for å innføre datalagringsdirektivet. Flere har ikke bedt om ordet til sak

Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre vil presidenten foreslå at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid,

Dette er et meget viktig forslag, for som vi vet i denne sal, der vi har diskutert disse problemstillingene relativt ofte – og vi kommer til å debattere dem ytterligere senere i dag og i det budsjettet som kommer til behandling neste uke – er vi i en situasjon der 99 pst. av norske bedrifter er såkalte SMB-bedrifter, små og mellomstore bedrifter. Betegnelsen brukes om bedrifter som har mindre enn 100 ansatte. De samme bedriftene som vi her snakker om, står for mer enn 50 pst. av omsetningen og sysselsettingen i Norge. Derfor er det svært viktig at vi fokuserer mye nettopp på denne delen av næringslivet, for dette er også en del. Svært mange av disse bedriftene har veldig få ansatte – ca. 54 pst. av dem har én–fire ansatte. Da sier det seg selv at særlig på feltet skjemavelde og innrapporteringer blir man veldig sårbar på ressurser. Det er helt åpenbart at store, tunge bedrifter med mange ansatte har egne avdelinger som holder på med dette. kan drive på med skatteplanlegging med ofte en helt annen økonomi og andre støttefunksjoner rundt seg enn disse SMB-bedriftene kan være i stand til å ha. Derfor er det viktig at vi som storting sørger for at vi legger på plass et regelverk og et rammeverk som gjør det mulig for disse bedriftene på en god måte å få utviklet seg videre.

da jeg regner med at posisjonen selv kommer til å frambringe sitt syn på hvorfor de også denne gangen går imot. Det som er det betegnende i disse sakene, er at uansett hvor mange gode forslag opposisjonen fremmer – og vi har fremmet utrolig mange gode forslag – er det eneste alle disse forslagene har til felles,

sak. La oss håpe at vi gir nye, gode råd til nærings- og handelsministeren, slik at han kan få komme tilbake til Stortinget på et annet tidspunkt og legge det fram som sine egne gode ideer. Vi skal stemme for da også, selv om det kommer fra andre. Jeg vil gå inn på et par av disse forslagene. Forslaget om SkatteFUNN som ligger til behandling, er svært viktig. Det Det er også omtalt i budsjettinnstillingen av flere partier. Dette er viktig fordi det er bedriftene selv som best kjenner på hvor det er de har mest å gå på, og hvordan de skal få brukt litt av sine egne midler for å kunne for å kunne videreutvikle bedriften til å bli mer solid, sikre arbeidsplasser og kunne gå videre i konkurransen. Derfor er det viktig nettopp å få fjernet taket på timesatsen for hvor mye man kan bruke i måneden knyttet til SkatteFUNN. Dette håper jeg at statsråden tar med seg, slik at vi kan få en sak om dette senere. Hospiteringsordninger knyttet til skolene er også viktig, særlig fagskoler ut i bedriftene. Det senere. Hospiteringsordninger knyttet til skolene er også viktig, særlig fagskoler ut i bedriftene. Det er viktig å få på plass gode rammeverk der, slik at vi får den dynamiske og gode utviklingen mellom skole og næringsliv og kan komme videre på disse Bedriftene har nytte av det for å kunne både rekruttere og utdanne folk, men også skoleelevene har stor nytte av å se hvordan næringslivet fungerer der ute. Jeg tror vi må ta inn over oss at svært mye av det som er på mange skoler, ikke nødvendigvis er den beste maskinen og den mest oppdaterte utstyret de til enhver tid kan bruke. Her er mange gode forslag.

eg skal heller ikkje gå inn på alle framlegga, for alle er eigentleg godt svart på skriftleg av ministeren og ligg ved saka.

framlegga. Det er på mange måtar eit symbol på skiljelinjene i næringspolitikken. Eit sitat frå forslagsstillarane i samandraget er at «det er behov for tilpasninger i arbeidsmiljøloven for å sikre både arbeidstakernes og bedriftenes behov, blant annet for å skape mer fleksible turnusordninger». Vel, det er mogleg forslagsstillarane meiner det, men det er ikkje eit einaste konkret forslag blant dei 24 forslaga som går på prat, men ikkje konkrete forslag eller handling. No er jo det etter kvart Høgre sitt varemerke, spør du meg. Men kva endringar i turnus kunne det likevel vore litt greitt å få vita litt meir om. Vidare kan ein lesa at pengane som vert brukte over statsbudsjettet, i større grad enn i dag må investerast for framtida, og det vert gjort best ved å satsa på forsking, utdanning, infrastruktur og vekstfremjande skattelettar. Dei usosiale skattekutta kjem eg tilbake til. Men resten er jo vareteke: Aldri har det vore brukt meir på forsking over statsbudsjettet. Lærartettleiken er auka. Aldri har det vore brukt meir på samferdsel. Eg må få minna om at Høgre sine representantar i denne sal i 2005 kalla samferdselssatsinga vår for «luftpenger» – auken på 2 mrd. kr per år i ti år var «luftpenger». Nei, det var det ikkje. Dette er ikkje berre oppfylt, det er overoppfylt. Så til vekstfremjande skattelettar – det er vel det nye Høgre-ordet for dynamisk skattepolitikk, tenkjer eg – det å redusera skattane slik at bedriftene skal skapa meir, og i sum skal det bidra meir til samfunnet. Men ikkje eitt land – ikkje eit einaste – har lykkast med denne dynamiske

I andre Dokument 8-framlegg, bl.a. eit som vi skal behandla seinare i dag, og andre som vi har hatt oppe i det siste, har det vore spurt etter eigne stortingsmeldingar fordi ein ønskjer å sjå heilskapen. Det er eit synspunkt eg har veldig stor sans for. Det har vore reist krav bl.a. innanfor reiseliv, industri og næringspolitikk. Men dersom ein vil sjå heilskapen,

Kjem det ikkje til nye bedrifter? Dei fleste bedriftene i Noreg går godt. Noreg er som ei øy i Europa. Dette er vi vanlegvis samde om i næringspolitikken, ja i Stortinget elles òg. Den særnorske formuesskatten skal fjernast, seier både Høgre og Framstegspartiet, utan å seia heilt korleis dei skal få det til. Eg er einig i at formuesskatten ikkje er perfekt, han kan ut. Difor har denne regjeringa òg redusert formuesskatten gong på gong ved å auka botnfrådraget. Men ærleg talt: Det må då gå an å finna tilfelle på at han slår usosialt og feil ut av nyare dato enn 2009, som ein går tilbake til. Greitt nok at nabolanda våre ikkje har formuesskatt, men dei har andre skattar. Sjå til Sverige: Dei har nesten dobbel arbeidsgivaravgift av det vi har i Noreg. Er det det vi vil ha? vil ha? Og mange land har mykje, mykje høgare eigedomsskatt enn kva vi har i Noreg. Er det det vi vil ha? Nok ein gong: Det er viktig å sjå på heilskapen. Jeg skjønner at forrige taler er litt sliten og

bedriftene. Når Ingrid Heggø snakker om «heilskapen» og at vi ikke bør fremme enkeltforslag, fordi vi også fremmer forslag om å få meldinger om hele saker, er det selvfølgelig fordi det heller ikke alltid skjer noe på det området. La meg også orientere henne om uttrykket «vekstfremmende skattelettelser», som hun tror er en oppfinnelse fra Høyres laboratorium for å finne nye navn på formuesskatten. Nei, hun kan gå til sin statsråd, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Han lanserte dette i forbindelse med handlingsregelen i 2001. Dette dreier seg om måten man skulle bruke overskuddet – de ekstra pengene som ble sluset inn i økonomien – fra det som den gang het oljefondet. En tredjedel skulle brukes til kunnskap, forskning og utdanning, en tredjedel til infrastruktur, som på infrastruktur, som på vanlig språk kan bety både veier i distriktene og kollektivtrafikk i mer tettbebygde strøk, og en tredjedel til vekstfremmende skattelettelser. Det var ikke en Høyre-oppfinnelse. Det var en oppfinnelse av – muligens, jeg vet ikke – Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Poenget er at de ekstra pengene ikke har blitt brukt på den måten. De har blitt smurt tynt utover, og derfor har det blitt mindre til en del av de sentrale områdene, og det vet regjeringen utmerket godt om. Dette er ikke et forslag for å si at det går dårlig i Norge, for å male et skremmebilde av hvordan det er. Det er helt riktig som Heggø sier; mye fungerer helt utmerket. Men jeg reagerer litt på at hun ikke har oppfattet tosporsøkonomien i dette landet, hvor det går strålende i olje- og gassindustrien, mens en del av fastlandsindustrien sliter i betydelig grad med et veldig høyt kostnadsnivå – opp mot 60 pst. høyere enn handelspartnerne våre har, og med fallende markeder i Europa. Det tror jeg man må ta inn over seg at er veldig slitsomt. De siste dagene har vi sett at kronen er rekordsterk og har ikke vært så sterk siden 1985. Det er klart at dette samlet sett gjør at det kan være bruk for en god del av det som er mulig å gjøre av kompenserende tiltak for bedriftene. Nettopp derfor synes jeg at disse forslagene aldeles utmerkede. Nå har jeg brukt mye tid på å snakke om Heggøs innlegg, men jeg synes at det var såpass på siden av hva disse 24 gode forslagene gjaldt, at jeg fant anledning til å imøtegå det. Vi får sikkert anledning til å diskutere dette i en runde til, når den neste saken kommer. La meg ta et par saker her: Noe av det viktige

som posisjonen skriver positive merknader om. Det synes jeg er hyggelig. Jeg tror det er et veldig godt tiltak, hvis vi kunne få det i gang med et slags statens stempel på – ikke fullt ut en finansiering, men et stempel på at her godkjenner man noe. Man kan være glad for det eller ei, men det finnes en hel del små kapitalister i dette landet, som ikke tør å gå inn i i enkeltbedrifter, hvis de får forespørsler om det. Hvis de hadde fått et slags kvalitetsstempel, en slags vurdering om at dette er noe som fungerer, tror jeg mange ville ta pengene sine ut av banken – hvor de står til et par prosenter rente – eller fra andre steder for å gå inn og være med på verdiskapingen og satse på dette. En innovasjonsbørs vil jeg tale sterkt for, særlig siden det faktisk er nesten det eneste området hvor

Når eg reiser rundt og snakkar med små og mellomstore bedrifter, er det veldig mange som peiker på at dei gode råda og dei økonomiske støtteordningane dei har fått gjennom Innovasjon Norge og SIVA, kanskje er det som har gjort at dei har klart seg over ein kneik, og som gjer at dei har hatt moglegheit til å utvikle seg vidare. Eg har lyst å trekkje fram klyngeprogramma. Dei er viktige også for dei små og mellomstore bedriftene.

men viss ein får til eit klyngesamarbeid der store og små bedrifter jobbar saman med kompetansemiljø, får dei små bedriftene både kompetanseoverføring og nettverk, som er veldig viktig for deira faglege utvikling, og som gjer at dei kan dra nytte av moderne, ny kunnskap, som også er viktig for dei små og mellomstore bedriftene. Eg vil også Inkubatorprogramma har vist seg å vere effektive. Mykje erfaring tilseier at inkubatorprogramma gjer at bedrifter som er nyetablerte, klarar seg gjennom dei vanskelege tidene, dei fire–fem–seks første vanskelege åra, betre enn dei som lever utanfor ein inkubator. Det har samanheng med at

kompetent arbeidskraft, ikkje minst når det gjeld yrkesfagleg utdanning. Der trur eg vi i politikken, utdanningssystemet og ikkje minst næringslivet sjølv har ein jobb å gjere med å gjere den yrkesfaglege utdanninga meir anerkjent og gje ho høgare prestisje, slik at vi rekrutterer dyktige folk til yrkesfagleg utdanning. Ein anerkjent og gje ho høgare prestisje, slik at vi rekrutterer dyktige folk til yrkesfagleg utdanning. Ein av dei tinga som er gjort frå regjeringa si side når det gjeld yrkesfagleg utdanning, er satsinga på lektor 2-stillingar. Det at det kan si side når det gjeld yrkesfagleg utdanning, er satsinga på lektor 2-stillingar. Det at det kan kome folk frå næringslivet, f.eks. rett frå Nordsjøen og inn for å halde ei forelesing for ein elev som skal ta mekaniske fag, er heilt klart motiverande, og det løftar prestisjen til faget. Eg har lyst å kome inn på det som gjeld offentleg sektor. Offentleg sektor er ein stor kunde også for Men dessverre har det vel vore ei utvikling som gjer at dei små og mellomstore bedriftene i ein viss grad føler at dei ikkje alltid når fram. Det har nok samanheng med at vi i stor grad har hatt ei sentralisering av innkjøpsfunksjonane, som har ført til at vi får større einingar når vi kjøper inn, og det fører veldig ofte til at små og mellomstore bedrifter føler seg tilsidesette og skvisa, ikkje minst gjeld det i distrikta. i distrikta. Når vi no skal jobbe med å gjere offentlege innkjøp innovasjonsfremjande, er det viktig at vi i den samanhengen legg vekt på at offentlege innkjøp også skal ha rom for små og mellomstore bedrifter. Elles har eg lyst å nemne at det å leggje til rette for seriøsitet i bransjane er veldig viktig for at bedriftene skal klare seg – også dei små og mellomstore. Ein bransje som har vore plaga av sosial dumping,

aldri har vært satset så mye på samferdsel som nå. Dette er særdeles viktig for næringslivet – vi hadde en lang samferdselsdebatt her tidligere i dag. Regjeringen har økt nivået i inneværende Nasjonal transportplan med 100 mrd. kr sammenlignet med forrige NTP, noe Høyre advarte sterkt imot i 2005. Dette gjør vi samtidig som vi fører en ansvarlig politikk, noe som ikke minst er viktig for våre eksportbedrifter.

Senterpartiet er opptatt av forenkling av tjenesteporteføljen til Innovasjon Norge og forenkling av søknadsprosessen, og vi er positive til den prosessen som nå er startet. En slik forenkling har vært etterlyst av næringslivet over lang tid, og det er viktig at vi ser gode resultater av det. I Meld. St. nr. 22 varslet regjeringen flere tiltak for å legge til rette for tilgang på kapital til bedrifter i en tidlig fase, og det ble varslet oppretting av nye landsdekkende såkornfond. I revidert statsbudsjett 2012 kom det på plass midler til statens deltakelse i to nye fond som skal godkjennes av ESA. Formålet med statens deltakelse i de nye fondene er å utløse kapital til bedrifter i tidlig fase og bygge opp og videreutvikle gode forvaltningsmiljøer. Senterpartiet ser positivt på denne satsingen. Forskning og utvikling er viktig for å legge til rette for innovasjon i bedriftene. En rekke av de mindre bedriftene har benyttet SkatteFUNN-ordningen i dette arbeidet. Senterpartiet er opptatt av at SkatteFUNN skal være et viktig verktøy for en slik satsing. Rekruttering og kompetanse er viktig for bedriftenes konkurransekraft. Derfor er utdanningspolitikken viktig, og det er viktig å se næringspolitikk og utdanningspolitikk i Senterpartiet er opptatt av at statusen og prestisjen for yrkesfagene må heves. Det er avgjørende for næringslivet at det blir rekruttert flere gode fagarbeidere, også som et ledd i at flere ungdommer kan lykkes i sitt eget utdanningsløp. Senterpartiet ser i denne sammenhengen fram til den nye stortingsmeldingen om videregående utdanning, som nå er under arbeid. Det er særdeles viktig at vi som er opptatt av næringsutvikling og næringspolitikk, deltar aktivt i disse debattene. For øvrig viser jeg til statsrådens fyldige svar, der han redegjorde for hvert enkelt punkt i representantforslaget. De små og mellomstore bedriftene er De små og mellomstore bedriftene er viktige for verdiskapingen og velferden her i landet, og en bedre tilrettelegging for disse bedriftene vil gi stor avkastning i form av arbeidsplasser, verdiskaping og velferd. Jeg synes derfor det er synd at regjeringspartiene nok en gang stemmer ned et forslag fra opposisjonen som ville bedre vilkårene for de små og mellomstore bedriftene i landet. Det burde være i alle partiers interesse få en godt forankret og grundig politikk når det gjelder rammevilkårene for disse bedriftene. Da er det trist å høre det negative innlegget til representanten Heggø. Kristelig Folkepartis mål er at Norge skal være et av verdens mest nyskapende land. Nye og etablerte småbedrifter er helt sentrale – uten dem stanser Norge. Det er i de små er i de små og mellomstore bedriftene at en stor del av verdiene i landet vårt skapes. Tre fjerdedeler av norske bedrifter er eid av familier. For familiebedrifter er arveavgiften en snublestein som gjør at mange ikke klarer å la neste generasjon overta. Der nye bedrifter i snitt skaper to arbeidsplasser, viser undersøkelser fra at et vellykket eierskifte i småbedriftene fører til at i snitt fem arbeidsplasser blir videreført. Derfor er fokuset på smidig eierskifte så viktig for Kristelig Folkeparti. Kristelig Folkeparti vil derfor at betaling av arveavgiften skal utsettes i minst ti år ved generasjonsskifte. Hvis bedriften drives videre, bortfaller en tiendedel av avgiften hvert år. Dersom bedriften drives videre i minst ti år, betales det dermed ingen arveavgift. Kristelig Folkeparti mener dette vil være god næringspolitikk, god samfunnsøkonomi og god distriktspolitikk. Småbedriftene står for over halvparten av verdiskapingen i norsk næringsliv. Småbedriftene er innovative og omstillingsdyktige, men det er krevende for dem å overleve og vokse. Fem år etter oppstarten er bare 30 pst. av bedriftene fortsatt aktive. Dette var bakgrunnen for Småbedriftsoppropet for ca. to år siden. Det hadde fire hovedkrav til myndighetene: mindre firkantet arbeidsliv, smartere skatt, enklere hverdag og smartere samhandling mellom det offentlige og næringslivet.

Ikke i noe land slår formuesskatten inn på så lave formuesnivå, og ingen land har så dårlig skjerming av arbeidende kapital som Norge. Derfor ønsker Kristelig Folkeparti, i likhet med LO, Bondelaget, NHO og hele opposisjonen, at formuesskatten på arbeidende kapital fjernes. Jeg har fått inntrykk av at også næringsministeren ønsker å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital. Det hadde jo vært interessant å få det bekreftet eller avkreftet av statsråden selv når han skal ha ordet til slutt. Venstre deler forslagsstillernes syn på at det er

hvor mye velferdsstaten blir rasert ved en liten justering i sykelønnsordningen for vanlige arbeidstakere, er regjering og regjeringspartier helt uinteressert i å styrke ordningen for selvstendig næringsdrivende, som jo har en langt dårligere kompensasjon enn vanlige arbeidstakere. Skattereglene har gjentatte ganger blitt forverret, og gründere og entreprenører blir oftest møtt med skepsis og mistenksomhet heller enn med den klapp på de virkelig fortjener. En kraftig forbedring av rammevilkårene for norsk næringsliv generelt og de minste bedriftene spesielt er en av hovedprioriteringene i Venstres alternative statsbudsjett for 2013. Norge trenger en ny næringspolitikk, som stimulerer mer til nyskaping og som legger forholdene til rette for gründere og et mangfold av verdiskapende og innovative bedrifter i hele landet. Dessverre er dette et område hvor Norge sakker akterut. De siste sju årene har dessverre vært de tapte muligheters år. Norge ligger på en 17.-plass i Europa i innovasjon når 34 land sammenlignes om hvor innovative vi er i undersøkelsen «Innovation Union Scoreboard». Til sammenligning kommer våre naboland Sverige, Danmark og Finland på henholdsvis andre-, tredje- og Norge omtales som en moderat innovatør, mens våre naboland er innovasjonsledere. Norge kommer spesielt svakt ut når det gjelder innovasjonsresultater og innovatører. Et mangfoldig og nyskapende næringsliv er avgjørende for at Norge skal lykkes i en stadig mer globalisert økonomi. Offentlig sektor og offentlig velferd er helt avhengig av verdiskapingen i det private næringsliv, og av at initiativrike personer satser, er villige til å ta en betydelig risiko og omsetter ideer til handling, produkter og tjenester. Derfor er utgangspunktet i Venstres næringspolitikk gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet kombinert med en målrettet innsats for utvikling av flere og bedre kunnskapsbedrifter. Venstre ønsker en mye tettere kobling mellom nasjonalt og lokalt næringsliv og viktige utdanningsmiljøer. Venstre vil dessuten satse mye mer på forskning og nyskaping og legge bedre til rette for dem som vil skape en arbeidsplass for seg selv og noen til. Det gjør vi gjennom et bredt spekter av virkemidler, gjennom målrettede forbedringer og forenklinger i skattesystemet, gjennom en spissing av det offentlige virkemiddelapparatet, gjennom bedre sosiale ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende og gjennom en kraftig satsing på forskning og innovasjon over statsbudsjettet.

Arbeidet med stortingsmeldinger binder ofte opp store ressurser i embetsverket. Det medfører en tidkrevende krangel mellom departementer og ender som regel i et minste felles multiplum og har mer uttrykk av å være en drøftingsoppgave enn en konkret plan for å løse utfordringer eller problemer. Et typisk eksempel på dette er regjeringens fordelingsmelding som skulle vært svaret på all kritikk fra opposisjonen om manglende fattigdomssatsing og manglende vilje til å stemme for gode forslag fra opposisjonen som man i prinsipp var enig i. Da meldingen endelig – også den utsatt – ble lagt fram, var den blottet for konkret innhold eller ny politikk. Fordelingsmeldingen er heller regelen som bekrefter unntaket, ikke omvendt. I stedet for nye drøftingsoppgaver vi behov for konkrete resultater, konkrete forbedringer, flere nye innovative bedrifter og en grunnleggende holdning som belønner dem som vil satse og som lykkes. Venstre er klar for å ta en ledende rolle i dette viktige arbeidet etter neste valg. Til slutt varsler jeg at Venstre vil stemme for forslagene nr. 2–21. Jeg tar opp Venstres forslag nr. 25–38, som er omdelt i salen.

99,5 pst. av norske bedrifter har færre enn 100 ansatte. Små og mellomstore bedrifter finnes over hele landet og i de fleste bransjer. 1,1 millioner mennesker er sysselsatt i små og mellomstore bedrifter, som utgjør nesten to tredjedeler av alle ansatte i privat sektor. Små og mellomstore bedrifter er viktigere for verdiskapingen i Norge enn i mange andre OECD-land. I regjeringens strategi ble det lansert 64 ulike tiltak som skal bedre hverdagen for små bedrifter. Sentralt i strategien er regjeringens mål og ambisjoner om forenklinger for næringslivet. Her er mye allerede gjennomført. Vi har etablert et eget sekretariat for forenklingsarbeidet. Vi har opprettet et nettsted, enklereregler.no, for innspill til forenkling. Vi har innført en unntaksbestemmelse for revisjonsplikten for de små bedriftene. Vi har senket aksjekapitalkravet fra AS, i tillegg til en rekke andre forenklingstiltak, ikke minst digitaliseringstiltak. Dette er endringer som virker. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det hittil i år er registrert nær 43 000 nye foretak, en økning på 12 pst. fra tilsvarende periode i fjor. Særlig sterk er veksten i aksjeselskap. Hittil i år er veksten på 62 pst. sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Veksten i antall nyetableringer er et tydelig tegn på at Norge er et godt land å drive næringsvirksomhet i, et godt land å starte bedrift i. I tillegg satser vi videre på skatteFUNN, nærings-ph.d.-ordningen, medarbeiderdrevet innovasjon, BlA-programmet, på Ungt Entreprenørskap og på kvinnelig entreprenørskap. Dette er ordninger vi vet gir mer gründerskap, mer innovasjon og på sikt et mer variert og robust næringsliv. Forslagene i representantforslaget ligger under ansvarsområdene til flere departementer. Jeg vil gå inn på noen problemstillinger som representantene tar opp. Representantene ber regjeringen legge fram en egen stortingsmelding om rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter. Sett i lys av at regjeringen for et halvt år siden la fram en egen SMB-strategi, har regjeringen ingen planer om å legge fram en stortingsmelding om dette i denne perioden. For oss er det mye viktigere å få konkrete forslag ut til små og mellomstore bedrifter, få politikken til å virke og legge til rette for bedriftene, og selvsagt å delta i debatter med opposisjonspartiene i Stortinget om viktige spørsmål i i mange ulike sammenhenger når små og mellomstore bedrifters rammevilkår berøres. Representantene foreslår ikke uventet endringer i skattepolitikken. Regjeringen er opptatt av at næringslivet skal ha gode rammevilkår i Norge. Det er mange faktorer som har betydning for rammevilkårene, som politisk stabilitet, infrastruktur, teknologi, tilgang på kvalifisert arbeidskraft og tillit mellom partene arbeidslivet. Skattebelastningen for bedriftene og eierne må vurderes på bakgrunn av hvor mye bedriftene kan lene seg mot offentlig finansiert velferd ved ansattes sykdom, permitteringer og oppsigelser mv. I Verdensbankens «Doing Business»-indeks for 2012, som rangerer land etter hvordan reguleringer og rammebetingelser påvirker driften av små og mellomstore bedrifter, blir Norge rangert som nr. 6 av totalt 183 land.

om hvor mye vi skal forenkle for – 10 mrd. kr innen 2016 skal den årlige besparelsen være. Et annet tema som forslagsstillerne tar opp er innovasjon. Innovasjon er en viktig forutsetning for både å finne de smarte løsningene som gjør at ressursene utnyttes mer effektivt, og at det utvikles ny teknologi. Men også her slår opposisjonen inn åpne dører. Allerede i vår la regjeringen fram stortingsmeldingen om Innovasjon Norge og SIVA, og mange av de tiltakene som foreslås fra opposisjonen, er allerede i ferd med å bli gjennomført. Vi tar imot gode forslag fra opposisjonen, men det meste som foreslås som bør gjennomføres, er allerede i gang med å bli iverksatt. Det blir replikkordskifte. Jeg er

såkornfond. Statsråden har varslet bl.a. i Meld. St. 22 for 2011–2012, Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVASF, at det vil komme seks nye såkornfond, med en kapital på 500 mill. kr – riktignok står det «inntil». Nå vet vi at i budsjettet for neste år ligger ikke inne noen nye fond. Det har blitt opprettet to, som er under etablering eller er etablert. Det vil si, i henhold til dette, at vi mangler fire. fire. Spørsmålet mitt til statsråden er: Når kan vi forvente å se en sak knyttet til disse fondene? Det står ikke noe i det svaret som er gitt til komiteen, som er lagt ved innstillingen, om når man kan forvente dette, bare en henvisning til de to som allerede er vedtatt. Dette er jo nettopp et av de områdene hvor jeg mener at forslaget slår inn åpne dører. Under VII står det: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om tilførsel av ny kapital til såkornfond.» Dette som representanten sier, er jo allerede regjeringens politikk. Vi har sagt i Innovasjon Norge-meldingen at vi skal komme med inntil seks nye såkornfond, og pengene Det tar imidlertid tid å etablere dem, delvis fordi det er ratifiseringsordninger i EØS-systemet, og fordi vi må finne private partnere som har en profil og en kapitaltilgang som gjør at fondene kan etableres. Derfor er de to, som det allerede er bevilget penger til, ennå ikke etablert, men vi vil sørge for nye bevilgninger fortløpende, slik at vi kan få på plass så mange som mulig av de seks fondene, så raskt som mulig.

Jeg ser at argumentasjonen nå er en del annerledes fra statsråden. Det går mest på hvor vanskelig det er å skille f.eks. arbeidende kapital og annen type kapital. Men det kunne være interessant å høre, når vi snart går inn i valgkampen – i fall når vi kommer over jul – om statsråden i januar i år kommer til å mene omtrent det samme. Dette var omtrent tidspunktet for NHOs årskonferanse, hvis jeg ikke husker helt feil.

Vi må opprettholde fordelingsvirkningene, og vi må sørge for at ingen blir nullskatteytere. Disse forutsetningene ble ikke godt mottatt av opposisjonen den gangen. Høyres leder, Erna Solberg, var vel den som aller først sa at det var helt uaktuelt med den type omlegging – formuesskatten skulle bort. Nå ser jeg riktignok at Høyre, etter å ha sett fordelingseffektene av en total fjerning av formuesskatten, har fått litt kalde føtter, men jeg ser at her er man igjen opptatt av i hvert fall å fjerne den på arbeidende kapital. Jeg tviler på det skillet, for selv et bankinnskudd vil, før eller siden, komme til anvendelse i bedriften, og dermed virke produktivt. Så det kan være vanskelig å trekke et skille mellom hva som er arbeidende og ikke arbeidende kapital. Det er mye som er bra i Norge, også når det gjelder det å drive næringsvirksomhet. Det skulle bare mangle. Det er imidlertid ingen tvil om at Norge sakker akterut når det gjelder å være innovative og satse på innovasjon. Det er bekymringsfullt fordi vi er avhengig av et innovativt næringsliv i framtiden. Dels skyldes dette at virkemiddelapparatet ikke er innrettet godt nok. Bare ca. halvparten av den støtten Innovasjon Norge gir, går til innovative prosjekter. Det satses nesten ikke på næringsrettet forskning – i realiteten et kutt i budsjettet for neste år og det er liten vilje til å ta ut potensialet i innovative, offentlige innkjøp. Bekymrer dette statsråden, og hva vil han i så fall gjøre for å få norske småbedrifter mer innovative? Og videre: Hva vil han gjøre for å ta ut potensialet i innovative, offentlige innkjøp? For å svare på det siste først: Vi kommer til å lage en egen strategi for innovasjon i offentlige innkjøp. Det er klart at det er et kjempepotensial i de store innkjøpene som det offentlige gjør, som jeg tror beløper seg til over 300 mrd. kr i året, ved ikke bare å bringe inn ferdige hyllevarer til lavest mulig pris, men også når det gjelder nye måter å gjøre ting på. Her støter vi litt opp mot det europeiske regelverket og konkurranseregelverket, så vi må prøve å finne litt ut av det. Men jeg er helt enig: Her bør vi bidra til mer innovasjon. Når Innovasjon Norge har ulike ordninger som i ulik grad virker innovativt, så vi må prøve å finne litt ut av det. Men jeg er helt enig: Her bør vi bidra til mer innovasjon. Når Innovasjon Norge har ulike ordninger som i ulik grad virker innovativt, er det fordi man forvalter ordninger fra mange departementer med ulike formål. Man har også ordninger som er mer distriktspesifikke. Det er om å gjøre at de også virker innovativt, men de har også andre formål ved seg. Det er hensiktsmessig at det ligger innunder samme organisasjon, det er ubyråkratisk og enkelt, men vi bør bidra til at alle er mest

Men poenget mitt var at ein må bestemma seg om ein skal ha lausrivne enkeltforslag, eller om ein skal ha heilskapstenking. Så må eg poengtera at det som representanten Andersen Eide seier her, at alle forslaga vert avviste, er feil. Dei vert ikkje avviste, og ikkje nedstemde heller. Dei vert å leggja ved protokollen. Så har eg òg lyst til å knyta nokre punkt til ordning. Eg trur nok at alle i salen her er einige i at vi framleis skal ha denne ordninga. Ho er ubyråkratisk og grei. Så kvifor vi ikkje er med på alle forslaga om å endra ho er eit spørsmål som ofte kjem opp. For det første: Vi har allereie endra ein del på ho, med søknadsskjema som er forenkla, og det er bl.a. presisert kva som skal til for å få desse FoU-midlane. Det er bra. Men eg er heilt sikker på at dei har rett, dei som seier at vi kan forenkla og gjera dette endå betre bra. Men eg er heilt sikker på at dei har rett, dei som seier at vi kan forenkla og gjera dette endå betre vidare. SkatteFUNN-ordninga vart evaluert i 2007 av SSØ, Senter for statleg økonomistyring. Det viste i hovudsak at ordninga har fungert veldig godt etter formålet. Men for å få betre økonomistyring og kontroll vart det foreslått å innføra ein maks timesats, som er sett til eit normalarbeidsår. Det å gå bort frå forslaget, vil òg gje dårlegare økonomistyring. Det bør bekymra Høgre i alle fall – eller kanskje ikkje. Like så gjeld innføring av maksimal timesats. Å innføra på nytt støtta til ulønna eigeninnsats er eit anna forslag under SkatteFUNN-ordninga. Det er å innføra på nytt ei ordning som var administrativt komplisert og krevjande – attpåtil vart Finansdepartementet saksøkt på staten sine vegner. Det er kanskje ei forenkling i nokre sine øyre, men det er langt frå ei forenkling, slik som eg ser det. Så er det ikkje til å komma bort frå at SkatteFUNN er rettsbasert. Skattepengane bør, etter mi meining og dei raud-grøne sitt syn, gå til å utløysa dei marginale prosjekta som elles ikkje hadde sett dagens lys, ikkje til å utløysa dei prosjekta som uansett hadde sett dagens lys – dei hadde vorte Så balansegangen er viktig. SkatteFUNN vart laga for små prosjekt, medan det er Forskingsrådet som skal ha store prosjekt. Sånn er det framleis. Så vil eg òg leggja til at vi har ein gong heva maksimaltaket, frå 4 mill. kr til 5,5 mill. kr. Det vart gjort i 2009.

for, og det undertegnede står for, når det gjelder forståelsen av hvorvidt bedriftene skal kunne bruke litt mer av resultatpengene som er opptjent gjennom deres egen virksomhet, til å drive med innovasjon, forskning og utvikling – som SkatteFUNN-ordningen egentlig går ut på. Og det er åpenbart at forenklinger trengs, fordi bedriftene må få lov til selv å bestemme hvilke typer prosjekter de egentlig har behov for. for. Jeg tror ikke Stortinget eller regjeringen er den rette instansen til å vurdere hvorvidt disse prosjektene vil bli realisert eller ikke. Jeg er helt sikker på at også representanten Heggø når hun har vært på sine reiser i Distrikts-Norge – som undertegnede er relativt ofte – får spørsmål knyttet til taket. Taket er det aller største problemet

ikke. Det var bl.a. det undertegnede sa i sitt innlegg. Det blir altså ikke vedtatt i denne sal, men det skal vi få god nok tid til å gjøre om et års tid. Når det gjelder forslagene fra Venstre, er problemet vårt med å stemme for en del av disse forslagene at vi har en budsjettbehandling som kommer neste uke. Mange av disse forslagene, riktignok med litt andre summer,

om å redusere gebyrene knyttet til Brønnøysundregistrene. Det er mange andre gode forslag, og vi deler intensjonen i dem, men på grunn av at vi skal behandle et budsjett – hvor vi har lagt inn andre summer, og med en litt annen innretning – kan vi ikke stemme for dem i dag. Men jeg tror at Fremskrittspartiet og Venstre – og egentlig hele opposisjonen – nok kommer til å bli enige om svært mye av disse tingene i
Neste taler er representanten

statsrådens innlegg at han syntes det var viktigere med konkrete forslag – mener jeg at det sto i manuset hans – enn med helheten, så det kan være at det er flere som må bestemme seg for hva de mener. Jeg vil bare gi beskjed om at forslag nr. 34 støttes av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

neste

Det er brei semje i komiteen om at forenklingsarbeidet er viktig for næringslivet. Vi skal ha ein velfungerande offentleg sektor, med lover og reglar som fremmar sunn konkurranse, og som tek vare på viktige samfunnsmessige omsyn. Samtidig er det viktig at vi ikkje påfører næringslivet unødvendige kostnader gjennom det regelverket og det rapporteringssystemet vi etablerer. Eg reknar med at mindretalet sjølv går igjennom

og sentralt står ei kraftig satsing på digitalisering av offentleg sektor. Digitalisering av offentleg sektor er eit veldig viktig grep, både for å redusere arbeidet og byråkratiet for bedriftene og for å auke kvaliteten i kommunikasjonen mellom offentleg sektor og næringslivet. Eg skal nemne nokre eksempel på kva som er gjort, og kva som har gitt store økonomiske konsekvensar for næringslivet: Elektronisk Dialog med Arbeidsgivare – EDAG – har spart næringslivet for ein halv milliard kroner, digitalisering av bedriftsetablering gjennom Altinn utgjer ei innsparing på 200 mill. kr, elektronisk faktura har ført til ei innsparing på 100 mill. kr og elektronisk skattekort har spart næringslivet for 70

kan nemne at innafor Helsetilsynet er det òg gjort eit stort digitaliseringsgrep, som bl.a. er viktig for å redusere kostnadene til eksportnæringa i samband med eksport av fisk. I det første representantforslaget blir det presentert 30 til dels svært Alle forslaga er kommenterte i detalj i brev frå nærings- og handelsministeren. Det er også kommentert noko meir summarisk frå fleirtalet i komiteen i innstillinga. Eg rekk ikkje å gå inn på og gjenta argumenta her. Eg vil berre summere opp med å Eg vil berre summere opp med å seie at som eg har peika på, er ein del av forslaga allereie godt i gang, bl.a når det gjeld det som skjer innan digitalisering. Ein del av dei andre forslaga er allereie behandla i Stortinget og avvist. Det går fram i brevet frå næringsministeren at forslaga vil ha ulik relevans for det vidare arbeidet med forenkling, men at dei alle – i ulik grad – vil bli vurdert i det vidare arbeidet med forenkling, og difor foreslår fleirtalet at vi legg alle forslaga ved møteboka. Det andre representantforslaget gjeld rapportering av forenklingsarbeidet. Forslagsstillarane ønskjer at vi skal utarbeide ein rapport kvart halvår.

så er det den langsiktige effekten vi ønskjer å oppnå med innsparingstiltaka, med forenklingsarbeidet. Difor kan det diskuterast om det er kostnadseffektivt å ha ei hyppig måling av effektar som er langsiktige og som har store tidskostnader. Difor er det grunn til å stille spørsmål ved den hyppigheita som her er foreslått. Det er også grunn til å merke seg at ein av grunnane til at vi treng forenkling, at vi har mye byråkrati ute hos bedriftene, er at veldig mange etatar ønskjer meir måling. Og difor er det kanskje litt paradoksalt at dei som ønskjer å styrkje forenklingsarbeidet, vil ha ekstra hyppige målingar. På den andre sida så skal vi ha eit relevant målesystem, og ministeren har sagt at han er villig til å sjå på det framover. Saksordføraren gjorde på ein fortreffeleg måte greie for begge desse sakene, og eg er

at vi skal ha noka avgrensing på talet på spørsmål ein kan senda i samband med budsjett. Det må ikkje misforståast, for eg meiner vi må ha det slik vi har det i dag, men det kan vera lite hensiktsmessig å foreslå nye kontrolltiltak og nye rapporteringstiltak utan å tenkja seg om ein ekstra

Forenkling er eit viktig verktøy for å betra konkurranseevnen til bedriftene og også til offentleg sektor. Samtidig må vi finna ein balansegang mellom nødvendig rapportering på den eine sida, som vi må behalda, og unødvendig dobbelrapportering på den andre sida, som vi kan ta vekk. I denne saka brukar ein 54 mrd kr, som næringslivet har som krav på seg til å følgje opp rapportering og skjemaer, og ein viser til at fleire land i Europa har eit forenklingsmål på 25 pst. Eg er litt usikker: 25 pst. av kva? For det er, som eg har sagt før, ein god del som vi faktisk ønskjer – og må ha – rapportering på. Og eg trur ikkje ein augneblink på at Høgre eller Framstegspartiet ville stått opp for regjeringa viss det hadde komme medieoppslag om misbruk, som hadde og sagt at misbruk, ja, det må ein rekna med når ein har forenkla såpass. Nei, då trur eg heller at ein hadde stått opp og sagt: Manglande kontroll og forslag om fleire kontrolltiltak og auka rapportering! Det er eg ganske trygg på hadde komme. Eg vil nemna litt om forenkling innan offentleg sektor og byråkratiet. Når det gjeld frigjering av ressursar ved smart bruk av IKT-verktøy og så kom det 1 mrd. kr til dette i årets budsjett. Nokre av dei verkeleg viktige områda er f.eks. IKT-modernisering i Nav, EDAG – Elektronisk dialog med arbeidsgivar. EDAG gjer at arbeidsgivar berre gjev éin rapportering om tilsetting, lønn og trekk per tilsett. Forenklinga er berekna til å gje arbeidsgivarar årlege innsparingar på minst 500 Det synest eg er flott! Med EDAG vil innbyggjarane dessutan kunne få raskare og meir korrekte ytingar frå Nav. Altinn 2 er det neste eg vil nemna. Altinn skal stabiliserast og videreutviklast, slik at løysinga kan brukast av fleire, og til meir. Ein kan seia mykje om problema i Altinn, men ein kjem ikkje bort frå at Altinn er ein suksess og ei fellesløysing med eit enormt Felles digital postkasse kan nemnast. Dette er ei felles løysing for digital post til innbyggjarane og næringsliv. Dette betyr forenkling både for brukarane og for forvaltinga. Eg har ikkje gått inn på gjennomførte forenklingstiltak, men eg vil minna om Høgre-mannen og dåverande NHO-sjef Bernander sine ord: «Tidenes forenklingstiltak». Det han snakka om da, var bortfallet av revisjonsplikt for små Vi har seinare komme med fleire nye forenklingstiltak. Det er eit ambisiøst mål som regjeringa har sett seg – eit forenklingsmål på 10 mrd. kr innan 2015. Og vi er faktisk godt i gang: Forenklinga er hittil på om lag 3 mrd. kr – det er enormt mykje spart for næringslivet vårt. Og det kjem meir. Det er sett i tiltak som på sikt vil gje utslag i sparte utgifter for næringslivet og for

Som jeg sa i mitt forrige innlegg, så utgjør små og mellomstore bedrifter – altså med mindre enn 100 ansatte – mer enn 99 pst. av nevnte bedrifter i Norge. Vi hører stadig påstander knyttet til mye man har forenklet, og det vises til de 3 mrd. kr, men de 3 mrd. kr er i hovedsak knyttet til revisjonsplikten, og så er det knyttet til aksjekapitalen som de senket. Det store spørsmålet som mange stiller seg, er hvorvidt den senkingen av aksjekapitalen er et forenklingsforslag eller om det er et besparelsesforslag. Jeg vil påstå at det er det siste. Det er en besparelse for bedriftene å starte opp, og det er jo enklere for bedriftene å starte opp, men det er vel kanskje ikke mindre papirarbeid enn om det var hundre tusen eller tretti tusen. Men

det så viktig med rapportering? Representanten Heggø mente at det ikke er et forenklingsforslag, snarere tvert imot mer rapporteringer. Men hvis man skal ha noe å måle ut fra, vite hvor man har kommet og gi andre muligheten til å prøve om det faktisk er tilfelle, må man ha noe å se det opp mot. Nå påstår man at man har kommet til kr. Det er det man rapporterer, og det har man også rapportert de siste årene. Det er altså ikke kommet noen andre tall enn det som er knyttet opp mot revisjonsplikten og nedsettelse av aksjekapitalen. Det er langt fram til målet på 10 mrd. kr. Jeg håper at man kan få fortgang i dette arbeidet. Det er viktig at man rapporterer, for det vil si at vi kan få gode debatter og innspill nettopp til nye måter og nye forslag som vi kan komme videre med. For det er viktig for de små og mellomstore bedriftene at hverdagen deres blir enklere å håndtere. Når gründeren starter opp sin virksomhet, er det fordi man ønsker å skape noe. Det er fordi man ønsker å bruke sin kompetanse og sin arbeidskraft til å skape en arbeidsplass og gjøre et levebrød ut av den.

endringene. Da er det de offentlige etatene selv som må gå aktivt inn og hente fra den databasen den informasjonen som man faktisk trenger. Det er forenkling. Representanten Heggø var inne på det som skjer i offentlig sektor. Det er veldig positivt, men da må vi også begynne å se noen resultater i nedbyggingen av byråkratiet i det offentlige, bruke masse tid når det kommer inn en søknad om å få bygge en garasje – bruke lang, lang tid med stadige skjemaer mellom etatene for å prøve å finne grunner til å si nei til denne garasjen – heller bruker litt tid på å sørge for å stemple denne saken som OK, og sender den ut så vedkommende kan få bygd denne mye vi kan gripe fatt i, men nok en gang må jeg bare si at dette er litt utrolig – vi hadde 24 forslag i forrige sak, og vi har 31 forslag som ligger her nå. Man har fra regjeringens side ikke klart, på ett eneste av disse forslagene, å si: Ja, dette er vi enig i, dette kan være en vei å gå – så dette vedtar vi. Nei, det klarer man ikke. Men som i forrige sak bruker man veldig mye tid og ressurser på nærmest å lete etter en grunn til å si nei, i stedet for å strekke ut en hånd og si at ja, dette er faktisk en god idé. Det burde være mulig, det også. For det skjer faktisk i denne

Det kommer ikke til å fungere i dag heller. Man har bestemt seg for at man skal stemme mot. Derfor føler jeg at i stedet for å kaste bort tiden min til opposisjon får vi heller prøve å fortelle utad hva disse forslagene dreier seg om, og jeg tar herved opp de forslagene som er inntatt i

For disse bedriftene utgjør skjema- og rapporteringsveldet fra myndighetene store kostnader. Den totale årlige byrden for å etterleve skjemaveldet for bedriftene er i dag på hele 60 mrd. kr. Høyre har lenge ønsket et enklere regelverk som bidrar til at næringslivet kan fokusere på sine primæroppgaver, som er å skape verdier og trygge arbeidsplasser.

Næringslivets administrative kostnader skulle reduseres med 25 pst. innen 2012. Landet fikk regjeringsskifte, og planen ble i svært liten grad fulgt opp. Den rød-grønne regjeringen har nå regjert i snart to stortingsperioder. De har etter mye press fra næringsliv og opposisjon lovet å forenkle med

Dessverre vil vi oppleve det samme her i dag. Dette er svært synd. Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre tar for seg flere viktige og helt konkrete forenklingstiltak, skissert av bl.a. NHO, Regnskapsførernes Det er her snakk om mange gode forenklingsforslag som ikke vil bidra til å forringe verdien av det offentliges innhenting av informasjon. En samlet opposisjon ønsker med dette å lette byrden og gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter. For Høyre er det viktig at bedriftenes møte med det offentlige Ny og bedre teknologi gir stadig nye muligheter, og utviklingen går i dag svært raskt. Det er derfor pinlig at mesteparten av det offentlige Norge er i ferd med å sakke akterut. Dårlige IKT-løsninger koster, i form av unødvendige systemer. Det koster frustrasjon og byråkrati. Helse-Norge, har vi nå fått vite, har tatt i bruk faksen igjen. Det forteller litt om den utviklingen vi er inne i.

Når Riksrevisjonen i sine merknader karakteriserer svakhetene ved den eksisterende Altinn II-løsningen som alvorlige, må regjeringen og Stortinget ta det på største alvor. Det haster med å redusere behovet for dobbeltrapportering, og det haster med forenkling av tollprosedyrer. Det er bekymringsfullt at brukervennlighet for bedriftene i møte med det offentlige ikke blir prioritert i nevneverdig grad av den rød-grønne regjeringen. Det vi ser, er at de rød-grønne er mer opptatt av å forsvare systemene fremfor å tilrettelegge for enkeltbedrifter og enkeltmennesker. På dette området er det et klart behov for nye ideer og bedre løsninger, noe en ny borgerlig regjering best kan sørge for. Så Det er skuffende – som sagt – at regjeringen etter så mange år med makt og ansvar, ikke har tatt videre målene i Et enklere Norge, som ble fremmet av Børge Brende under Bondevik Spesielt ille er det å oppleve at Norge er en sinke, mens de borgerlige regjeringene i Danmark og Sverige allerede har kommet langt i å redusere næringslivets administrative kostnader. Begge landene har som mål å kutte med 25 pst. I august 2011 – seks år etter at de rød-grønne tok over i regjering – presenterte statsråd Giske i en pressemelding følgende konkrete mål for reduksjon av de administrative kostnadene for næringslivet:

Forenkling er et langsiktig arbeid. Vi registrerer at regjeringen ikke bruker korrekte mål når den allerede nå rapporterer fremgangen i forenklingsarbeidet. I en nyhetssak fra Nærings- og handelsdepartementet datert 18. oktober 2012, hevdet statsråden at det allerede er forenklet for 3 mrd. kroner. Dette tallet gir ikke et korrekt bilde, bl.a. blir besparelsen ved opphevelse av revisjonsplikten for enkelte selskaper overestimert. Samtidig opplever vi at statsråd Giske, sammen med statsminister Stoltenberg, reiser rundt til næringslivet og skryter av at de er på god vei når de blir møtt med massive krav om forenkling fra bedriftene. Dette opplevde vi opplevde vi senest under et besøk i Ålesund, der statsråden hevdet at det er spart 2 mrd. kr bare på å sløyfe revisjonsplikten for små bedrifter og redusere krav til aksjekapital for nye bedrifter. Når det gjelder revisjonsplikten, ligger nok tallet nærmere et sted mellom

Det er positivt at den rød-grønne regjeringen har lært litt av den forrige borgerlige regjeringen og har videreført ideen om å sette forenkling på dagsordenen, men det er skuffende at det har tatt så lang tid å vise reell handling. Jeg vil anbefale statsråden og regjeringen å intensivere forenklingen. Samtidig må de lære seg ikke å justere tallene for at det skal se ut som om de holder sine løfter. Dette er overhodet ikke noe som Høyre er alene om å mene eller si, for Dagens Næringsliv skrev 23. oktober: «Giske bør være mindre opptatt av å beregne innsparinger av ikke gjennomførte tiltak og flinkere til å gjøre konkrete forenklinger.» Høyre er som sagt skuffet over at regjeringen har brukt så mange år og fått til så lite. Høyre lover å fortsette den viktige jobben med å forenkle skjemaveldet for næringslivet så snart vi kommer i regjering igjen. For å få klarhet i virkningene av grep som tas, bør målet om reduksjon av administrative kostnader sammenstilles med løpende målinger av oppnådd forenkling. Løpende målinger bør presenteres to ganger i året, f.eks. ved fremleggelsen av statsbudsjettet om høsten og revidert nasjonalbudsjett om våren. Målingene bør baseres på standardkostnadsmetoden og gi en god forklaring av tallmaterialet som ligger bak utregningene. Dette er et tips til statsråden, for uten å ha et godt kart, aner man ikke hvor man befinner seg i

Forenklingsarbeidet er viktig for å redusere kostnader for næringslivet. Senterpartiet er derfor positive til at det er satt i gang en rekke tiltak for å bidra til nettopp dette, og vi er aktive pådrivere for å oppnå stadig mer forenkling både for næringslivet og for folk flest i det daglige. Effektive rapporteringsrutiner med mest mulig gjenbruk av data og et funksjonelt regelverk medvirker til et effektivt næringsliv. Det er derfor viktig å videreføre og styrke det forenklingsarbeidet som er i gang. Forenklingsarbeidet må ha fokus på konkrete resultat og konkrete innsparinger for bedriftene. Forenklingen må bidra positivt til verdiskapingen, samtidig som vi har et regelverk som tar vare på viktige samfunnsmessige hensyn. Det som imidlertid er viktig å unngå, er unødvendig dobbeltrapportering. Det er noe både Senterpartiet og næringslivet er opptatt av. For øvrig viser jeg til brev til komiteen fra næringsministeren, der det blir vist til en rekke viktige forenklingstiltak som er satt i verk. Dette gjelder bl.a. reduksjon i kravet til minste aksjekapital og at det nå er anledning til å velge bort revisjon for de minste aksjeselskapene – tiltak som har vært etterlyst fra næringslivet i lang tid. Denne regjeringen har gjort noe med det. Med respekt å melde: Det må selv opposisjonen erkjenne. Senterpartiet viser også til satsingen på elektronisk rapportering gjennom Altinn, som framgår i en av merknadene. Senterpartiet er opptatt av å konkretisere forenklingsarbeidet og følge opp resultatene over tid. I denne sammenheng er det viktig å finne hensiktsmessige måter å vurdere resultatene på, slik næringsministeren understreker i sitt brev til komiteen. Jeg viser for øvrig til brev fra statsråden der konkrete vurderinger av alle de 30 delforslagene er gjort.

Det er et betydelig behov for forenkling for de mange bedriftene. Mange offentlige regler, skjema og påbud fører til unødvendige rapporteringskrav og kompliserte regelverk, og det brukes altfor mye krefter og penger på å gjøre dette arbeidet. Totalt utgjør administrasjonskostnadene knyttet til rapportering og skjema ca. 60 Folkeparti ønsker å forbedre de grunnleggende rammevilkårene for verdiskaping, slik at Norge også i fremtiden kan tilby innbyggerne gode velferdstjenester. Da er det avgjørende at vilkårene for næringslivet fremmer vekst og ikke tynger selskapene. Kristelig Folkeparti vil føre en økonomisk politikk som fremmer næringsutvikling, vekst og nyskaping, og som gir forutsigbarhet for dem som vil investere i norske arbeidsplasser. Det er behov for å bedre vilkårene gjennom tiltak for et enklere arbeidsliv, bedre vilkår for verdiskaping, enklere hverdag og bedre samhandling mellom offentlig sektor og privat næringsliv. Forslagene vi behandler i dag, er fremmet samlet fra alle opposisjonspartiene. Dessverre ser vi at til å prioritere tiltak som vil føre oss et godt stykke på vei mot regjeringens eget mål om forenklinger tilsvarende netto reduksjon i administrative byrder på 10 mrd. kr innen 2015. Allikevel ønsker ikke regjeringen velkommen forslag som vil hjelpe dem mot deres eget mål. For meg virker det ganske uforståelig.

eller sammen med andre opposisjonspartier – en rekke forslag til forenkling de siste årene, senest i forbindelse med vårt alternative statsbudsjett for 2013. Enkelte av disse – som f.eks. fritak for revisjonsplikt for noen bedrifter, men langt færre enn antatt – har regjeringen senere adoptert, all ære for det. Min og Venstres grunnholdning er som følger: Alle tiltak som bidrar til forenkling, er bra – punktum. Regjeringens og regjeringspartienes grunnholdning er vanskeligere å få øye på. I innstillingen skriver f.eks. flertallet at det er «viktig å få samla inn data som er nødvendige for at det offentlege skal kunne utføre sine oppgåver med høg kvalitet». Klarere kan det egentlig ikke sies. Systemet er viktigst. Jeg har lyst til å sitere Jens Stoltenberg i spørretimen 21. november i år: «Hvis systemet ikke tjener mennesket på en god måte, er det noe galt med systemet – ikke noe galt med menneskene.» Det er tydelig at regjeringspartiene ikke er helt på linje med sin egen statsminister. Både Sverige og Danmark kan vise til gode resultater når det gjelder forenkling. Resultatene kommer fordi det er politisk vilje til å få det til. I 2007 satte den den gang borgerlige danske regjeringen i gang prosjektet «Burden Hunter» for å gjøre hverdagen enklere for danske bedrifter. Det har resultert i en betydelig økt forståelse for å gjøre hverdagen enklere for bedriftene og en kraftig reduksjon i næringslivets kostnader. Inspirert av dette har den svenske borgerlige regjeringen satt i gang prosjektet «Förenklingsjakten». Konkret handler det om noe så logisk som følgende: Den svenske regjering har pekt ut fire ulike bransjer, hotell og restaurant, transport, handel og foredlingsindustri, som burde ha et stort vekstpotensial, men som opplever at lover, regler og rapporteringskrav er et direkte hinder for å vokse – i realiteten det samme som vi er opptatt av i det representantforslaget vi nå behandler. Dette kunne den norske regjeringen i og for seg også ha gjort, men her I Norge ville oppdraget gått til et offentlig utvalg, som hadde brukt ett år på utredning, så et par år på høringsrunde og intern krangel i regjeringen, deretter kanskje en stortingsmelding og så kanskje en plan eller en proposisjon til Stortinget. Det høres kanskje litt flåsete ut, men dette er i realiteten en beskrivelse av saksgangen for å få avviklet revisjonsplikten for de minste bedriftene. I mai 2007 ble det nedsatt et offentlig utvalg. Først fire år senere ble det endelige vedtaket om å avvikle revisjonsplikten fattet. I mellomtiden hadde regjeringspartiene stemt mot å gjøre det samme en rekke ganger. I Sverige gjør man det helt annerledes. Regjeringen gir konsist «regeringsbeslut» på tre A4-sider – til Tillväxtverket, Sveriges Innovasjon Norge, som sammen med bedriftene innenfor disse fire bransjene skal identifisere hvordan bedriftene opplever hverdagen knyttet til aktuelle lover, regler og forskrifter, og fremme forslag som gjør hverdagen betydelig bedre og enklere. Oppdraget ble gitt 20. september i år, og allerede 31. januar neste år skal overlevere sin første delrapport til regjeringen – fire måneders effektivt arbeid. Så skriver den svenske regjering noe interessant i sitt «regeringsbeslut»: «Förenklingsjakten» skal ha utgangspunkt i bedriftenes perspektiv og bidra til å øke forståelsen for bedriftenes hverdag. Den skal også bidra til å øke dialog og kommunikasjon mellom bedrifter og myndigheter. Gjennom dialog direkte med bedriftene vil regjeringen få økt forståelse for hvor, når og hvordan bedriftene møter problemer og unødvendig byråkrati. Oppdraget «Förenklingsjakten» er en viktig del av regjeringens arbeid med å nå målet om en merkbar positiv forandring i bedriftenes hverdag. Dette er, for å sitere den tidligere Rosenborg-treneren Erik Hamrén, «rätt attityd». Det er denne arbeidsformen Venstre vil ha i Norge.

det. La meg også si at vi tar imot alle gode ideer, uansett hvor de kommer fra, vurderer dem og gjennomfører dem fortløpende i så stor grad som mulig, også målt opp mot andre hensyn, som selvsagt gjør seg gjeldende når det gjelder å fjerne eller La meg si noe om forenklingsforslagene. Det er ikke anledning til å gå igjennom alle 30, men jeg ønsker å berolige opposisjonen med at forslagene som er fremmet, vil bli godt ivaretatt. La meg gi noen eksempler som understreker dette. I forenklingsforslag 2 bes regjeringen sørge for at innsendelse av skjemaer i forbindelse med sykmelding kan skje elektronisk. Allerede fra 1. juli 2011 har det vært lagt til rette for elektronisk innsending av og oppfølgingsplanen til Arbeids- og velferdsetaten via Altinn. Denne løsningen tilfredsstilte ikke alle deler av næringslivet. Derfor lanserte Nav, i samarbeid med leverandører av lønns- og personalsystemer, en ny tjeneste i september 2012. Tjenesten muliggjør elektronisk rapportering om oppfølging av sykmeldte gjennom innsending til Nav direkte fra virksomhetens lønns- og personalsystem. Forslagsstillerne ber i forslagene 8, 9 og 10 om en rekke forenklinger i innrapporteringsplikter, koder og skjemaer knyttet til bl.a. lønn. Som opplyst i svarbrevet til Stortinget forventes dette å ivaretas gjennom elektronisk dialog med arbeidsgiver, EDAG. For å sikre en enklere hverdag for bedriftene forslo regjeringen gjennomføring av EDAG i revidert nasjonalbudsjett for 2012. Prosjektet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2015 og forventes å gi en årlig reduksjon i næringslivets kostnader på minst 0,5 mrd. kr. I forenklingsforslag 22 bes regjeringen gjennomføre fornuftige forenklinger i henhold til la i mai fram endringer i bl.a. bokføringsloven og verdipapirhandelloven, hvor flere forenklinger inngikk: lemping av bokføringslovens krav om utarbeiding av spesifikasjoner, adgang til fritt å velge oppbevaringsmedium – også elektronisk lagring – og heving av grensen for prospektplikt. Utover eksemplene jeg har nevnt her, arbeider regjeringen med flere andre forenklingstiltak. Noen av dem er også foreslått av representantene: forenklinger i aksjeloven, med utgangspunkt i ytterligere endringer i bokføringsregelverket, basert på Bokføringsstandardstyrets rapport nr. 3, og endringer i konkurranseloven, med utgangspunkt i Konkurranselovutvalgets anbefalinger. Forslagsstillerne etterlyser også resultatmåling. De foreslår at målet om 10 mrd. kr reduksjon av administrative kostnader bør sammenstilles med løpende målinger av oppnådd forenkling. Målingene skal ifølge forslagsstillerne baseres på standardkostmodellen. Representantene framholder at disse løpende målingene bør presenteres to ganger i året, f.eks. i forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett. Representantene påpeker at klare mål gir klare resultater. Vi var den første regjering som satte et slikt helt konkret og tydelig reduksjonsmål, 10 mrd. kr innen 2016, og vi leverer klare resultater. En rekke eksempler er allerede nevnt, og flere kan legges til reduksjon i aksjekapitalkravet, fjerning av revisjonsplikten, digitale løsninger, som f.eks. elektronisk skattekort og e-faktura, og digital tilgjengeliggjøring av alle søknader, skjemaer og rapporter. Dette er med på å redusere næringslivets administrative byrder med 3 mrd. kr per år. Det er kanskje tidlig å si at resultatene er historiske, men jeg synes vi er på god vei. Og jeg tror at vi minst er på like like god vei som det Sverige er. Jeg har også en mistanke om at når det kommer forslag om lovendringer i Sverige, har de et system ganske tilsvarende systemet i Norge – at ting skal ut på høring, at ulike instanser skal høres, og at det skal legges fram en proposisjon og vedtas ting i Riksdagen. Regjeringen er opptatt av at forenklingsarbeidet skal gi resultater både på kort og på lang sikt. Standardkostmodellen, som opposisjonen ønsker skal brukes i gir en pekepinn om næringslivets administrative kostnader, men den viser ikke nødvendigvis hvilke tiltak som er viktigst. Vi ønsker å gjennomføre endringer som bidrar til reell forenkling for næringslivet. Det oppnås ikke ved ensidig oppmerksomhet på kortsiktig måloppnåelse. En halvårig rapportering av det omfanget som forslagsstillerne legger opp til, vil kreve betydelige ressurser. De ressursene ønsker jeg å bruke på å intensivere forenklingsarbeidet ytterligere.

dvs. at når vi skal bruke det, må vi vite at vi får ut den informasjonen vi skal, og at systemet også må være så robust at det tåler den bruken det er ment å tåle. I budsjettet har regjeringen foreslått en økning nettopp til Altinn, slik at man skal få bukt med en del av problemene der. der. Jeg er helt overbevist om at statsråden er minst like utålmodig som undertegnede med å få dette systemet opp å gå på en skikkelig måte og ikke minst også utvide det ytterligere. Kan statsråden si litt om tidshorisonten – når kan man forvente at Altinn-systemet, inkludert Altinn II, er på plass på en skikkelig og god måte? Det er riktig at undertegnede er like oppmerksom som spørsmålsstilleren på de utfordringene Altinn har hatt. Det er også slik at hvis vi skal ha et elektronisk rapporteringssystem, hvis vi skal kunne hente informasjon der, må det fungere hver eneste dag, hver eneste time, hele året gjennom. Vi hadde et sammenbrudd i fjor, da man rett og slett ikke taklet den pågangen publikums skatteundersøkelser førte til. Det ble rettet opp, men vi fikk et nytt problem, rett og slett på grunn av en teknisk feil fra en underleverandør. Nå bruker vi 100 mill. kr i budsjettet for 2013 til å teste, kvalitetssikre og passe på at dette skal fungere fullt ut. Altinn blir aldri ferdig, vi skal utvikle dette verktøyet stadig videre, bl.a. med nye tjenester, men vi skal sørge for at de tjenestene som til enhver tid legges inn, er driftssikre og i det gjelder Altinn, går det jo på trygghet for systemet, særlig for bedrifter som skal innrapportere, og som både skal legge inn informasjon og hente ut informasjon, som forhåpentligvis blir mulig over tid. Nettopp den tryggheten, at systemet til enhver tid fungerer, er helt avgjørende for næringslivet. Mitt neste spørsmål

at det er potensialet i hver forenkling som er realiteten. Det ble i et tidligere innlegg her vist til virkningen av revisjonsplikten. Hvis en bedrift på tross av at staten ikke lenger krever revisjon, likevel velger å bruke revisjon, f.eks. av hensyn til en bankforbindelse eller en forretningsforbindelse, regnes det likevel inn i forenklingspotensialet. Det er slik andre land også beregner det. Det er kravene det offentlige stiller som er nøkkelen her. Jeg er helt overbevist om at vi får mange anledninger til å presentere disse fortløpende oppdaterte forenklingstiltakene. Jeg er helt sikker på at jeg blir invitert til stortingssalen for å diskutere forenkling mye oftere enn én gang i halvåret. Så jeg tror vi skal holde oss oppdatert ganske jevnlig opposisjonen. Statsråden ønsker å redusere bedriftenes administrative kostnader med 5 mrd. kr innen 2013. Samtidig ser vi at skjemaveldet vokser videre. En rapport fra februar 2010 viste at de samlede rapporteringsforpliktelsene beløp seg til 54,6 mrd. kr. Regjeringen presenterte så en SMB-strategi i mars 2012 som viste at tallet hadde vokst til om lag 60

gikk ned. Stadig nye beregninger gir dessverre grunn til å tvile på statsrådens løfter om 5 mrd. kr forenkling innen 2013. Hvorfor tillater næringsministeren at næringslivets administrative kostnader vokser? Det er mange årsaker til at de administrative kostnadene er så høye som de har vært. Realiteten er at under ulike regjeringer, også under borgerlige regjeringer, har reduksjonen vært forsvinnende liten. Derfor var det veldig nødvendig for oss å sette et konkret måltall og endelig få resultater. Det skyldes bl.a. at hver eneste gang vi oppdager noe som det ikke er helt kontroll på i det norske samfunnet, blir ulike regjeringer kritisert for ikke å ha oversikt over faktum, ikke kontroll på regelbrudd osv., og så finner vi på noen nye regler som Riksrevisjonen bidrar til det, kontrollkomiteen bidrar til det, Stortinget bidrar til det, regjeringen bidrar til det, og mange ulike interessegrupper bidrar til det. Da må vi av og til tørre å si nei, å si at her blir den administrative byrden så stor at det gode formålet må vike. Men det er altså sånn at det er vi som har gjennomført de største forenklingstiltakene. Revisjonsplikten kunne ha vært fjernet under Bondevik-regjeringen. Det ble den ikke. Det er først under Stoltenberg-regjeringen at dette store forenklingstiltaket er gjennomført. Mitt andre spørsmål til

kr for elektronisk dialog med arbeidsgiver. Dette tiltaket blir tidligst iverksatt i 2015, og det blir derfor feil å regne dette inn som en besparelse på 500 mill. kr for norske bedrifter i dag. I tillegg regner statsråden med 100 mill. kr i besparelse for eFaktura. Dette er ikke en forenkling for næringslivet, men snarere en besparelse for staten. Når statsråden har problem med å regne på hva administrative kostnader faktisk betyr for næringslivet, hvorfor motsetter statsråden seg forslaget som kan hjelpe ham med å rydde vekk all tvil

får, selvsagt også i nær dialog med bl.a. NHO og Virke, og ser på hvilke tiltak som har størst effekt raskest mulig. Vi skal fortsette å forbedre våre systemer for beregning, men først og fremst er det jo viktig å gjennomføre de forenklingstiltakene som virker raskest og er mest er mest omfattende. Sverige og Danmark har kommet langt i forenklingsarbeidet og har redusert bedriftenes kostnader med rundt 7 mrd. kr under borgerlige regjeringer. Da er det naturlig å se til disse landene, hva de gjør, og hva som gir resultater. I Sverige er det åpenbart at etablering av Regelrådet har hatt en positiv effekt. Det har statsråden og stortingsflertallet tidligere avvist å innføre Nå tar den svenske regjering nye grep gjennom å sette i verk «Förenklingsjakten», etter den danske suksessmodellen «Burden Hunter». Statsråden har tidligere i tilsvarende debatter påstått at han følger utviklingen i Sverige og Danmark tett når det gjelder forenkling. Er han i så fall klar til å sette i verk en tilsvarende norsk modell, eller er alt som vanlig såre vel

Vi følger også hva som skjer i Sverige. Jeg er ikke riktig så imponert over det som skjer der, men vi følger bl.a. det som skjer i Nederland, som er et av de landene som har lyktes best. Der har jeg også vært og møtt næringsdepartementet for å sette meg inn i hva de har gjort. Så vi lærer mest mulig av andre land, men selvsagt er det også spesifikke norske regler og systemer som vi må forholde oss til. Vi har jo vår versjon av «Burden Hunter» gjennom

representanten Røbekk Nørve harselerte over at regjeringa brukar mye tid på og er altfor oppteken av å berekne innsparinga. Samtidig går eit av representantforslaga ut på at vi skal ha meir berekning av innsparinga. Kvar er konsistensen? Men eg synest at representanten Solli tar kaka når han harselerer over at vi ønskjer at det skal vere Trur representanten Solli at det blir betre for bedriftene om det er dårleg kvalitet i den offentlege forvaltinga, og trur ikkje representanten Solli at Venstre hadde teke regjeringa viss det var dårleg kvalitet i den offentlege forvaltinga? Det å kome og harselere over at vi vil ha kvalitet i den offentlege forvaltinga, synest eg passar dårleg for eit parti som Venstre. Så har eg lyst til å seie litt om sjølve forslaga. forslaga. Det er jo slik – som det har blitt peikt på her – at ein god del av forslaga meir eller mindre er gjennomførte, og ein del av forslaga har faktisk vore oppe til votering i denne sal for ikkje så veldig lenge sidan og blitt avvist. Då synest eg kanskje ikkje at det er veldig respekt for salen å gjenta dei kort tid etterpå. Med noko meir beskjedenheit er det kanskje meir lydhøyrheit å få.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

at statsråden vurderer behovet fortløpende for en egen melding til Stortinget om næringspolitikk og/eller industripolitikk. Kristelig Folkeparti og Høyre støtter forslaget til Fremskrittspartiet om å fremme en stortingsmelding om industriens rammevilkår, mens regjeringspartiene foreslår at saken vedlegges protokollen. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig å prioritere en industrimelding når mange andre næringsområder, som fiskeri, landbruk, forskning og petroleumsindustrien, har egne meldinger. Industrien har gjennom mange år lagt grunnlaget for det velferdssamfunnet vi har i dag, en stortingsmelding er viktig for å synliggjøre industriens behov gjennom en helhetlig presentasjon av industriens utfordringer. En gjennomgang av eksisterende rammevilkår med tanke på en modernisering med bakgrunn i den usikre situasjonen i verdensøkonomien, vil være viktig. Vi har fått en todeling av norsk industri. Mens tradisjonelle næringer sliter tungt, opplever olje- og offshorerelatert virksomhet formidabel vekst. NHOs økonomibarometer viser at oljeleverandørindustrien til tross for høy innenlands etterspørsel også har bidratt til å holde norsk eksport oppe. De andre eksportnæringene, mange av dem er fra prosessindustrien, sliter tungt, og produksjonsindeksen er betydelig lavere enn i fjor. Selv om det har vært oppgang i norsk økonomi fem kvartaler på rad, har vi ennå ikke sett noen oppgang i næringsinvesteringene på fastlandet. Oppgangen vi har hatt, er så langt drevet av veksten i oljeinvesteringene. For petroleumsintensiv virksomhet er mangel på kvalifisert arbeidskraft et sterkt hinder. For eksportintensiv virksomhet er pris- og kostnadsutvikling viktigste hinder. I en tid når fastlandsindustrien er preget av det norske kostnadsbildet, krise i Europa og sterk norsk kronekurs, trenger vi en aktiv strategi som en stortingsmelding kan gi oss. Norsk industri må sikres forutsigbare rammevilkår. Industrien er viktig både for verdiskaping og arbeidsplasser, men også for utvikling av ny teknologi som trengs for å skape et mer miljøvennlig samfunn. Norge har lange tradisjoner som er basert på naturgitte forutsetninger og høy kompetanse. Klimaendringene og faren for global oppvarming er vår tids største utfordringer. Det kreves innsats på mange fronter, og også industrien må bidra. Norsk industriell erfaring og kompetanse må benyttes til å utvikle eksisterende industri og samtidig være en viktig premissleverandør på tiltakssiden inn mot fornybarsamfunnet. Forslagsstillerne peker i Dokument 8-forslaget spesielt på betydningen av veiutbygging, slik at eksportbedriftene når fram til markedene. Som eksempel kan jeg nevne et kommende veiprosjektet, Møreaksen, i mitt hjemfylke Møre og Romsdal. BI-professor Torger Reve har i sin forskning påpekt at næringsklyngene offshore, maritim sektor og havbruk blir de mest avgjørende for Dette er næringer midt i hjertet av Møre og Romsdal. Når vi i tillegg tar hensyn til samfunnsnytten av å binde sammen bo- og arbeidsregionene som knyttes sammen gjennom Møreaksen mellom Ålesund og Molde, får vi en tilleggsgevinst årlig på 835 Dette er tall ifølge Victor Normann ved Handelshøyskolen i Bergen. Knytter vi oss videre til Søre Sunnmøre gjennom Hafast-sambandet, øker tilleggsgevinsten årlig til over 1 mrd. kr. Slik synliggjøres både samfunnsnytten og mergevinsten samferdsel gir for det verdiskapende næringslivet. En forventet stortingsmelding bør ta inn alle sider av industriens utfordringer med bl.a. fokus på arbeidskraft og rekruttering, konkurransesituasjonen, og energi- og miljøutfordringene. Vi ønsker et tettere samarbeid med industrien for å finne gode løsninger som ivaretar industriens behov, og i tillegg svarer på de politiske utfordringene.

sammen med Fremskrittspartiet og Høyre. Representanten Rigmor Andersen Eide har tatt opp det forslaget hun refererte til. Som industrijente frå Høyanger må eg seia at det gleder det meg stort kvar gong eg får lov til å stå her og snakka om industripolitikk. Eg synest det er veldig bra at høgrepartia tydelegvis har snudd når det gjeld å verdsetja industrien. Det er eg oppriktig glad for, for eg sat i salen då ein Høgre-statsråd snakka om solnedgangsindustri. Så eg er glad for Eg vil starta med avslutningsmerknadene frå oss raud-grøne, der vi seier oss samde med næringsministeren i at behovet for ei eiga melding til Stortinget om næringspolitikk og/eller industri vert vurdert fortløpande. Det er altså ikkje slik at saka vert avvist, dersom det skulle komma opp seinare i dag. Men det overordna for alle bedrifter og industri generelt, og eksportretta industri spesielt, er jo orden i økonomien, stabil kronekurs og ei rente som ikkje skyt i vêret. Eg skal ikkje gjera den tabben som vart gjord av Høgre i 2005 då dei sprang rundt med rentekalkulatorar for å fortelja veljarane kor mykje renta ville stiga dersom vi raud-grøne kom til makta, og særleg dersom Kristin Halvorsen vart finansminister. Det som er farleg i dagens allianse er at Framstegspartiet ikkje vil bøya seg for handlingsregelen,

Makt tel nok mest, kosta kva det kosta vil. Det er viktig at vi ikkje har særnorske skattar og avgifter som slår beina under bedriftene våre, men på den andre sida er det eit faktum at det at vi har trigga bedriftene, gjerne ved å bruka både pisk og gulrot, har fått dei til å verta verdsleiande innanfor innovasjon og teknologiutvikling. teknologiutvikling. Det er rett og slett ein balansegang som er uhyre viktig å oppretthalda her. Regjeringa har sett i verk ei rekkje tiltak for å betra industrien sine kraftvilkår, inkludert bygging av ny kraft, planlagde nettinvesteringar og sikring av god kraftbalanse. Det har òg kome tiltak retta mot kraftintensiv industri, som garantiordninga for kraftintensiv industri sine kraftkjøp og støtteordninga for bedrifter i eit innkjøpskonsortium for kraft.

Satsing på Innovasjon Norge – også når det gjeld store bedrifter Satsing på SIVA – viktig for at SIVA kan gå inn i større prosjekt og demonstrasjonsanlegg Minerallov i 2010 og satsing på kartlegging av mineralressursar – ein mineralstrategi kjem Forenkling – nærmar seg 3 mrd. kr Løyvingar til næringsretta forsking SkatteFUNN er vidareført og styrkt, auking

Regjeringa har bl.a. støtta Hydros kjøp av aluminiumsverksemd frå Vale, og ved deltaking i den tilhøyrande emisjonen sommaren 2010 har staten bidrege til å styrkja selskapet si internasjonale satsing. I 2010 vart eigenkapitalen i Statkraft SF utvida med 14 Med kapitalutvidinga kan Statkraft realisera ei rekkje prosjekt og styrkja posisjonen sin innanfor fornybar energi. Planen for dei nye investeringane gjeld i sin heilskap satsing på miljøvennleg fornybar energi i Noreg og internasjonalt. Regjeringa har, gjennom tilslutninga til kapitaloppgang i Statskog SF og til kjøpet av skogeigedommar med eit samla areal på ca. 1,1 mrd. dekar, styrkt selskapet som skogeigar og gitt auka moglegheiter for rasjonell drift.

burde være en slik mulighet. En stortingsmelding om industriens rammebetingelser skulle man tro at alle partier hadde en interesse av, for å diskutere og komme med forslag og løsninger som kunne hjelpe industrien. Det er ingen tvil om at store deler av norsk industri har store utfordringer, og noen sliter. Norsk papirindustri er et godt eksempel på dette. Fremskrittspartiet registrerer at deler av norsk industri flagger ut og etablerer seg f.eks. i tidligere Øst-Europa. Dette skyldes bl.a. lavere kostnader, men det er også flere årsaker, som f.eks. den norske skatte- og avgiftspolitikken. Stortinget har behandlet en rekke meldinger, som landbruksmelding, forskningsmelding, petroleumsmelding, fiskerimelding mfl., men en melding om industriens rammebetingelser sier vi nei til. rammebetingelser sier vi nei til. Dette må være interessant for alle de små, mellomstore og store industrieierne vi har i Norge. I tillegg må det være ekstra interessant for alle dem som har sine inntekter fra industrien, enten man er ansatt der eller har arbeid av ringvirkninger, som transport, service etc. Dette må være noe å tenke på for alle dem som skal avgi sin stemme ved neste stortingsvalg om et snaut år. Jeg tror at hvilke partier som vil industriens ve og vel mest, vel må være et godt spørsmål når avgjørelsen i dag skal tas. Norge er et heldig land, sett ut fra de muligheter vi har. Vi har store naturressurser, en lang industrihistorie, god bedriftskultur, kompetent og ansvarlig arbeidskraft og relativt mye kapital. Vi har olje, gass, fisk, bergverksmuligheter, god matjord og store skogverdier m.m. Vi er et land som med alle våre spesialiteter fenger utenlandske turister. Alt dette og mye mer tilsier at norsk industri ikke burde ha noen problemer, men slik er altså ikke virkeligheten. Derfor ønsker Fremskrittspartiet bl.a. at vi skal få en industrimelding Det er en realitet at en slik debatt må omhandle mer enn hvor stor statlig eierskap skal være, slik som de rød-grønne partiene mener. Den må omhandle bl.a. økonomiske rammevilkår, det må være forutsigbarhet i relativt lang tid framover, infrastruktur når det gjelder både jernbane, vei, båt, fly og kaier m.m. og den bør omhandle energiforsyning – at den er både stabil og stor nok til en fornuftig pris. Vi må ha et miljøregelverk som ivaretar alles interesser på en fornuftig måte, og vi må ha et utdanningssystem og -tilbud som gjør at vi utdanner nok folk til de riktige jobbene, også noe inn i framtiden. For å dele industrien opp i to deler, selv om dette ikke er så helt enkelt, kan man si at den industrien som omhandler gass og olje, går kjempebra, mens resten sliter i stor eller liten grad. Da blir spørsmålet: Hva kan vi gjøre for at Norge skal klare å møte den konkurransen vi har fra andre land? Hvis vi som politikere tar dette mer alvorlig enn det synes som vi gjør, kan det også bli mer Hvis vi som politikere tar dette mer alvorlig enn det synes som vi gjør, kan det også bli mer interessant for dem som har ledig kapital, å bidra med denne og tørre å investere. Fremskrittspartiet mener at det er behov for en helhetlig presentasjon av industriens utfordringer, og behov for å modernisere det er behov for en helhetlig presentasjon av industriens utfordringer, og behov for å modernisere rammebetingelser med bakgrunn i den usikre situasjonen for verdensøkonomien vi ser i dag.

jeg også forventet å høre noe om. Den dreier seg faktisk om bakgrunnen for forslaget, nemlig tosporsøkonomien i norsk næringsliv, som er stadig mer synlig. I olje- og gassnæringen er det høyt tempo, gode fremtidsutsikter og jevnt over god inntjening. Den landbaserte fastlandsindustrien møter fallende markeder hos mange handelspartnere, den har et kostnadsnivå som ligger nær er beinhard konkurranse om kapital og arbeidskraft fra olje- og gassnæringen, som tilbyr bedre betingelser både på arbeidskraft og kapital. I tillegg har vi en norsk valuta som ikke har vært sterkere på nesten 30 år, og som spås å bli enda sterkere. Sterk valuta slår rett inn på bedriftenes bunnlinje. I olje- og gassnæringen tåler nok de fleste både kostnadsnivå og sterk krone – med muligheter til å prise seg opp og ut av problematikken. Slik er det en todeling også i eksportrettet industri. Så forslaget om en melding om industriens rammebetingelser må derfor komme nærmest som kua for slaktehammeren, for å holde meg i denne komités terminologi. Disse problemene understøttes sterkt av NHOs rapport om næringsinvesteringene i Norge utenom olje- og gassnæringen. De stuper – tallene kom for noen dager siden – de har ikke vært så lave på nesten 40 år. Investeringene er på et historisk lavmål, og den norske krone er på et historisk toppnivå. Det er en ufordøyelig miks for norsk næringsliv, på sikt. Dette er ikke en situasjon som ikke har vært kjent. OECDs oversikt fra i vår viste det samme når det gjelder investeringene. Vi hadde faktisk Hellas over oss på den oversikten. Det hadde vært nok å snakke med en del av dem som føler problemene på kroppen i landbasert

Det holder ikke med statistikker om at vi har en god levestandard, at vi er verdens beste land å bo i, osv. Det å se på langsiktige tiltak som kan iverksettes for å bedre situasjonen, er viktig. Vi har jo et godt utgangspunkt. Jeg fikk komplimenter fra representanten Heggø tidligere her i dag, da jeg sa at det gikk bra i Norge. Selvsagt gjør det det. Det betyr at vi har en unik mulighet til ikke å bruke situasjonen til en sovepute eller til et utstillingsvindu for politisk fortreffelighet. Det løser ikke fremtidens utfordringer. Vi må erkjenne at vi har noen utfordringer; de er langsiktige, vi har tid til å løse dem. En melding som dette er er ingen dårlig idé og er egentlig heller ingen sterk kritikk av regjeringen. Den har fremmet mange strategier. Alle har riktignok ikke vært i Stortinget og komiteen. Noen holder man på med for seg selv. De behøver ikke å være dårligere av den grunn. Men en samlet melding tror jeg ville vært viktig for dem som er rammet av dette, og det er tror jeg ville vært viktig for dem som er rammet av dette, og det er faktisk ganske mange. Selv om ikke representanten Heggø erkjente det, så går næringsministeren ganske langt i sitt svar til komiteen. Hun erkjenner tosporsøkonomien. Det er ikke noe de fleste ser det. Hun flagger også, synes jeg, sin gode ambisjon om at norske industrinæringer i årene fremover skal være ledende i den stadig sterkere internasjonale konkurransen. Da tror jeg vi trenger å se dette samlet. Høyre deler så absolutt den ambisjonen. Jeg synes vi bør samle mange av disse strategiene, som det også henvises til i statsrådens svar til komiteen, for å se hvordan det virker – hvordan det fungerer. Kanskje kan et samlet, overordnet syn på dette gjøre dette bedre. Jeg skal ta ordene til saksordfører i forrige sak, Sosialistisk Venstrepartis Holmelid, til meg og si at vi skal være svært beskjedne i vårt ønske om dette, hvis det kan hjelpe. Nå er vel parti som taler for at man skal stå med luen i hånden, men vi ønsker svært gjerne en lydhørhet fra vår side og skal være med på å gjøre en melding som kan bli god, hvis den kommer til Stortinget noen gang. Frøet er sådd. Sosialistisk Venstreparti har lang tradisjon for å hjelpe dei smålåtne, så

spennande å få lov å diskutere det i denne sal, og vi er glade for at saka blir teken opp, sånn at vi kan få ein god diskusjon om norsk industripolitikk. Ein av dei tinga som eg i mitt lange liv i industrien har snakka om – sidan tidleg på 1980-talet – er at god miljøpolitikk er god næringspolitikk. No ser eg faktisk at tiår for tiår er fleire som begynner å ta det innover seg. I dag er det vel relativt få, knapt nok Framstegspartiet, som tør å avvise at god miljøpolitikk er god næringspolitikk. Eg skal berre nemne nokre eksempel på kva som ligg bak ein sånn påstand. Eg har sikkert sagt det før, men ein god ting kan ikkje seiast for ofte.

Men det er ikkje berre det at miljøkrav gjer at vi får mindre utslepp, eller at vi får betre teknologi for eksport. Det er faktisk sånn at det veldig ofte òg fører til lågare produksjonskostnad og betre kvalitet på produktet. For går du fyrst gjennom ein prosess, så blir han betre på fleire område. Eg kan jo nemne at eg på måndag skal besøke Alcoa på Lista. Der skal vi sjå på ein prosess som, viss han blir vellukka, kjem til å revolusjonere aluminiumsproduksjonen i heile verda. Då kan det rett og slett vere sånn at den offensive miljøsatsinga i Noreg – med gode støtteordningar i Innovasjon Norge og Enova – kan revolusjonere og gjere aluminiumsproduksjonen i verda vesentleg mindre energikrevjande. Og det er eit resultat av at nokon har tort å stå opp og seie at miljøpolitikk er næringspolitikk. Så har eg lyst til å

som nokon har sagt før her i dag: Det vi treng, er løysingar og ikkje nødvendigvis nye meldingar. Men eg meiner for så vidt at vi kan vere opne for meldinga, viss det skulle vere hensiktsmessig. Eg var på eit møte i går, som blei arrangert av oljeteknologinæringa, og dei har teke poenget. For dei ser at dei er i den oppblåste næringa. Og dei veit at på eit eller anna tidspunkt må dei kanskje omstille seg til å drive andre næringar.

Store deler av industrien konkurrerer i et internasjonalt marked, og det er viktig at industriens vilkår i Norge er på linje med vilkårene i konkurrerende land for ikke å svekke bedriftenes konkurranseevne. En ansvarlig økonomisk politikk og stabil kronekurs er avgjørende for at industrien og andre konkurranseutsatte næringer skal kunne

Sammen med endringer i det globale konkurransebildet innebærer det utfordringer for viktige industrinæringer og for enkeltbedriftene. Senterpartiet mener derfor det er viktig å føre en helhetlig politikk, som sikrer både nåværende og framtidig industriell aktivitet i Norge. Den rød-grønne regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å bedre industriens kraftvilkår, inkludert utbygging av ny kraft, planlagte nettinvesteringer og sikring av god kraftbalanse. Regjeringen har kommet med særskilte tiltak rettet mot kraftintensiv industri, som garantiordningen for kraftkjøp for den kraftintensive industrien og støtteordninger for bedrifter i innkjøpskonsortium for kraft. I tillegg er det satt i verk viktige ordninger som medvirker til å utvikle bærekraftig industri, slik som miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge og klimateknologifondet i Enova. I sum viser dette at Senterpartiet og den rød-grønne regjeringen er opptatt av industriens vilkår for å skape vekst og utvikling i hele landet.

godt i norsk industri. Hvis man ser på sysselsettingen i norsk industri og bergverk sammen, har vi hatt en meget stabil sysselsetting over mange år. Vi er faktisk omtrent på det nivået vi var like før finanskrakket høsten 2008. Det er viktig å kommunisere det budskapet fordi det er litt for mange som tror at industri er noe vi drev med før i tiden, og som er på vei til å bli utfaset. Vi skal være en industrinasjon, vi skal ha industriarbeidsplasser, og vi skal ha mange konkurransedyktige, lønnsomme industribedrifter. Så vet vi at vi har utfordringer. Det er stadig tøffere konkurranse globalt, og en krevende situasjon i europeisk økonomi. Kostnadsnivået i Norge gjør at vi hele tiden må ligge i front når det gjelder kompetanse, teknologi og produktivitet. Regjeringens politikk bygger på at industrien fortsatt skal utgjøre en viktig del av norsk økonomi. Den er en viktig bidragsyter til å opprettholde velferdssamfunnet gjennom effektiv produksjon av lønnsomme produkter. Ikke minst er dette lagt til grunn i regjeringens økonomiske politikk. Når vi er så opptatt av handlingsregelen, når vi er så opptatt av en ansvarlig pengebruk, når vi er opptatt av at vi ikke kan gi, enten det er 25 mrd. kr eller 100 mrd. kr fra henholdsvis Høyre og Fremskrittspartiet i skattekutt, er det bl.a. fordi vi ønsker å ha gode velferdsordninger samtidig som vi ikke øker pengebruken i Norge på en slik måte at vi ødelegger rammebetingelsene for den konkurranseutsatte industrien. Rammevilkår på energi- og miljøområdet er et annet område som er viktig for industrien. Vi har iverksatt store krafttiltak som er viktige for industrien. Kraftforsyningen er vi har gjennomført flere tiltak rettet mot kraftintensiv industri. Det er gledelig at mange bedrifter i prosessindustrien har inngått nye langsiktige kraftavtaler. Dette var også et stort tema i valgkampen, hvor enkelte mente at det ikke lenger var mulig å ha disse langsiktige industrikontraktene om kraft. Vi har også en offensiv politikk for å sørge for at klimapolitikk går hånd i hånd med industripolitikk. Vi har lagt til grunn at EUs reviderte klimakvotedirektiv skal implementeres i Norge, slik at vi likestiller norske bedrifter med europeiske. Vi har etablert en CO2-kompensasjonsordning for industrien – her er vi helt i forkant i Europa – for å hindre at den europeiske klimapolitikken fører til utflagging av industri. Så vet vi at en del av industrien møter betydelige markedsutfordringer på grunn av den internasjonale krisen. Desto viktigere er det å ha et stort virkemiddelapparat som ivaretar næringslivets behov for omstilling og innovasjon og utvikling av langsiktig konkurranseevne. Finanskrisen viser oss nettopp hvor viktig det er at staten har en aktiv og framoverlent næringspolitikk og ikke holder på med næringsnøytralitet eller passivitet, men tvert imot bidrar f.eks. gjennom verftspakke eller treforedlingspakke til å holde oppe viktige kompetansemiljøer gjennom tøffe tider. Vi jobber på en rekke områder med å legge til rette for industrien spesielt og næringslivet generelt. Det kan godt hende at ulike stortingsmeldinger kan være en måte å jobbe på – det vil bli løpende vurdert. Men det hindrer oss ikke i diskusjonen om en stortingsmelding at vi hver eneste dag gjennomfører en politikk som i praksis legger til rette for at Norge fortsatt skal være et sterkt industriland. Det blir replikkordskifte. For Fremskrittspartiet hadde det vært av den største betydning at vi hadde fått en melding om industrien og

statsråden. Det ble sagt litt fra representanten Andersen Eide om at saken vedlegges protokollen og hva det kunne bety. Det var der spørsmålet mitt lå, som statsråden sikkert skjønte. Videre er det en del industri som flagger ut. I mitt hjemfylke Hedmark er det både stålbedrifter og bedrifter som lager vinduer og dører. Sånn er det i store deler av landet ellers også, at man har en viss form for utflagging i større eller mindre målestokk. gjør at den industrien som blir igjen, blir enda mer sårbar. Det gir også en del arbeidsløshet, selvfølgelig, eller permitteringer. Så spørsmålet mitt er: Ser statsråden med uro på den utflaggingen som skjer, eller er dette naturlig i den utviklingen vi har innenfor industrien? Hvis statsråden ser med uro på dette, hva kan statsråden bidra med for at vi i hvert fall får redusert denne utflaggingen? Det er veldig mange ting som bidrar til at vi

gjennom at noen av de viktigste industrilokomotivene i Norge er på statlige hender. Her deler ikke hele opposisjonen det samme synspunktet som regjeringen har. Samtidig må vi nok forvente en viss arbeidsdeling, der veldig arbeidsintensive oppgaver i industrien gjøres i lavkostland, mens de mer teknologisk avanserte og dyre operasjonene gjøres i Norge. Omstilling er hele tiden nøkkelen Med investeringer og utvikling av nye produkter kan vi også med vårt kostnadsnivå og velferdsnivå være konkurransedyktige i en internasjonal, tøff konkurranse. I sitt brev til komiteen erkjenner statsråden langt på vei de problemene som er i konkurranseutsatt industri særlig, og dette som vi kaller tosporsøkonomien. Særlig er han innom dette med en stabil kronekurs for eksportbedriftene, og det er helt sentralt. Han skriver også at til tross for rentekutt er kronen fortsatt sterkere. Dette er jo skrevet for en stund siden, og kronen fortsetter å styrke seg. Nå har vi i Stortinget nettopp vedtatt budsjettet for 2013. Hva er det særskilt i det budsjettet som statsråden mener skal kunne stoppe eller motvirke den utviklingen vi ser i kronekursen i øyeblikket, og som nærmest er som gift for

at ikke budsjettet virker for ekspansivt, og at kostnadsnivået dermed øker presset i norsk økonomi ytterligere. Alle ting vi kan gjøre for å få arbeidsmarkedet til å virke bedre, hjelper også. Men så er det også viktig at vi legger til rette gjennom budsjettet for at pengepolitikken kan være av en slik art at vi f.eks. ikke må øke renten ekstraordinært for å holde igjen på presset i økonomien og dermed gjøre kronen enda mer attraktiv for internasjonale pengeplasserere. Så dette er vi svært opptatt av.

en omtaler næringslivet, inkludert industrien, blir fortløpende vurdert. Jeg tror det ut fra situasjonen er en ganske fornuftig tilnærming. Så har jeg lyst til å understreke i debatten at når det gjelder tradisjonell eksportrettet industri, er det all grunn til å være urolig. Jeg understreker akkurat det – ikke minst på grunn av de ulike mulighetene som norsk næringsliv har til å rekruttere kompetanse og mennesker. Det er to hovedårsaker til at den tradisjonelle eksportrettede industrien vår er utfordret. Det ene er selvfølgelig og opplagt markedet, hvor hovedeksponeringen er mot Europa, og at Europa slik sett er utfordret. Det andre er forholdet til tilgang på arbeidskraft. Når en trekker fram NHOs økonomiske barometer, synes jeg at til tross for den situasjonen som er, er det

til uroligheten. Derfor er det det fokuset vi må ha. Jeg er helt enig med representanten Flåtten når han nå er urolig for rente- og

industrien og kraftbransjen mangler ennå en melding. Opposisjonen har en rekke ganger fremmet forslag om at det burde framlegges en energimelding. Det fikk vi først nei til, så ble det ja, så ble det nei, så ble det ja, så ble det nei – og det gjelder per i dag. Det samme prøvde vi å få til for industrien, nettopp fordi det er så mye bra i norsk næringsliv, så mye bra i industrien som vi bør videreutvikle, sørge for at det er rammebetingelser som gjør at når det er vanskelige markeder ute i Europa, ute i verden, er det norsk industri som skal overleve og ikke bli nedlagt. Dette handler om å klare å konkurrere på marginene, det handler om å sørge for at rammebetingelsene er mer interessante i Norge enn i andre land. Der svikter regjeringen dessverre på en del områder. Ja, det svikter regjeringen dessverre på en del områder. Ja, det er mye av det som ble nevnt både av statsråden, av Heggø og av Aasland, som er bra, og Fremskrittspartiet har støttet alt dette. Men så er det mye av dette som ikke er godt nok, og noe av det som går direkte i feil retning. Det er f.eks. ikke tilstrekkelig å vise til at det har blitt innført en garantiordning for industrien når ingen industribedrifter per i dag har tatt den i bruk. Da har den ikke særlig verdi. Industrien ble lurt til å tro at hvis man fikk en rød-grønn regjering, skulle det komme et industrikraftregime som ble bedre enn det de kunne oppnå i markedet. Det vi ser, er at samtlige av dem som har inngått kraftkontrakter de siste årene, har inngått dem i markedet, fordi det regjeringen leverte, ikke var godt nok. Da sitter ikke industrien og Det samme gjelder CO2-kompensasjonsordningen. Den er Fremskrittspartiet veldig positiv til. Jeg gleder meg til at den blir innført. Men da vi tok opp det med tidligere statsråd Erik Solheim i 2007 og med tidligere statsråd Terje Riis-Johansen i 2008, ble det avvist. Det var ikke mulig å gjøre slike ting, for det ville undergrave klimapolitikken til regjeringen. Jeg er glad når regjeringen endrer politikk, men det er altså ikke denne regjeringen som har vært pådriver; det er denne regjeringen som har dratt beina i sirup. La meg nevne handlingsregelen.

Den argumentasjonen holder ikke. Terje Riis-Johansen lanserte sin energivisjon i Dagbladet i 2009. Samtlige punkter er i dag skrinlagt. Det er derfor vi trenger en energimelding – slik at Stortinget vedtar det som statsrådene alltid er ute og sier, men som de ikke trenger å følge opp.

ikke det at vi skal justere det ned – det får vi ikke gjort andre steder enn i SAS, ser det ut til – men vi må se på kompenserende tiltak: Hva kan det offentlige bidra med? Vi har allerede en rekke tiltak. Det er ikke det at det skal være støtteordninger for industri som ikke greier seg, det vil alltid være en omstilling. Men det er viktig å se på hvordan vi prioriterer i budsjettene, hva som kan være vekstfremmende på sikt, forskning, kunnskap, utdanning, samferdsel, skattelettelser – alt dette som opprinnelig ligger i hvordan vi skulle bruke den ekstra innfasingen av oljeøkonomien i norsk næringsliv. For øvrig tror jeg vi er ganske enige om utgangspunktet, bortsett fra at regjeringen ikke vil komme med en Men det er positivt at man vil vurdere det, og jeg tror man gjør klokt i å vurdere det veldig fortløpende. Som sagt i tidligere innlegg er det ikke noe krisescenario sånn med en gang, men veldig mange er opptatt av at det er en vanskelig situasjon. Når representanten Aasland sier at det er mange gode tilbakemeldinger når han omtaler NHOs økonomibarometer, tror jeg at vi skal stole på statistikk heller enn på tilbakemeldinger. Regjeringen stoler veldig mye på statistikk ellers når det gjelder å beskrive hvor bra det meste er i Norge sammenlignet med andre land, og det er det jo. Og vi stoler på den statistikken. La oss også stole på både NHOs økonomibarometer og OECDs survey report fra mars/april, som sa akkurat det samme. Ikke la oss avspore denne viktige debatten med at Høyre ikke vil føre en økonomisk ansvarlig politikk. Det har vært gjentatt så mange ganger fra denne talerstol at det er nesten unødvendig å understreke det. Først litt om kraftkontrakter: En av grunnene til at det inngås langsiktige kraftkontrakter nå, er

at vi også får disse mange langsiktige og gode industrikontraktene. De har ikke oppstått i et vakuum, de har oppstått av et politisk retningsvalg. Det andre var sitater fra Erik Solheim og Terje Riis-Johansen når det gjaldt CO2-kompensasjon. Vel, de hadde helt rett, for på det tidspunktet de svarte, var det umulig å gjennomføre det, for dette måtte skje innenfor et EU-regelverk som ikke var ferdigstilt. Jeg kunne selvsagt ha sagt at det var en ny næringsminister som måtte på plass, men dessverre var det ikke det som skulle til, det var altså at EU måtte bli ferdig med sitt regelverk, slik at vi hadde noe å forholde oss til. Vi er det første landet som innfører et slikt omfattende CO2-kompensasjonssystem, så igjen, her ligger vi også i front. Så var det det siste poenget, at den største faren når det gjelder norsk industri, er nettopp Solvik-Olsen, som sier – tenk på det resonnementet – at

Så av hensyn til konkurranseutsatt industri må man klare å slutte opp om handlingsregelen. Det er jo bare slik at empirien taler for seg. Bare i Solvik-Olsens eget fylke er det skapt flere nye arbeidsplasser siden den rød-grønne regjeringen overtok, enn i hele Norge den gangen Høyre og Fremskrittspartiet styrte landet.

Jeg har lyst til å starte med en liten historie. ROI etablerte seg på Herøya for litt over ett år siden. Dette var et østerriksk eid selskap med stor erfaring, ikke minst fra Asia og Kina, og de skulle gå i gang med etablering i Norge. Deres tilbakemeldinger var at de egentlig ikke kunne få fullrost systemet, hvordan en kunne gå inn etablere en stor og tung industri. Det var en investering på 1 mrd. kr – egentlig basert på en gammel industritradisjon, som tar opp produksjonen igjen. Ikke minst det å få avklart forholdet til kraftkontrakt gikk veldig greit. Det er det som er det flotte med garantiordningen. Da den ble vedtatt i Stortinget, begynte både kraftleverandører og industrien å forhandle. Det er altså inngått elleve kontrakter siste to årene. Jeg er overbevist om at det har sin direkte årsak i at man hadde avklart forholdet til denne garantiordningen, som ligger som et fundament og kan brukes hvis det er formålstjenlig. Men det er ingenting i veien for – og det burde kanskje egentlig også glede selv en representant fra Fremskrittspartiet – at det inngås på kommersielle vilkår. Så har jeg aldri beskyldt Høyre for å spille hasard med handlingsregelen. Det jeg spurte representanten Flåtten om, var hvilke betraktninger han har om det partiet Flåtten vil samarbeide med etter stortingsvalget i 2013, flertall. Da kan jeg kanskje spørre representanten Flåtten konkret nå, med bakgrunn i det representanten Solvik-Olsen nettopp redegjorde for, at investeringsanslagene på norsk sokkel nå er oppjustert med – var det 26 mrd. kr: Er det da et riktig resonnement etter Flåttens vurdering, det Solvik-Olsen foretar når han sier at det også kan være et sterkt grunnlag for

Jeg skulle bare ha ønsket at industrien på land så den samme lyse framtid som industrien til havs. Fasiten er at det er masse gode ordninger, som Fremskrittspartiet til dels har støttet samtlige av. Ja, de er der, men det er åpenbart ikke nok til at en gjør det som vi vil. Kraftkontrakter er et av punktene. Kraftkontrakter i markedet har det aldri vært noe forbud mot, men det som denne regjeringen lovet hvis den ble valgt, var at det skulle være noe som var bedre enn å gå i markedet for kraftkontrakter, nemlig å få en såkalt industrikraftordning. Når regjeringen nå har levert denne garantiordningen, ser man altså at ingen har brukt den. Å si at det er grunn til å ta æren for det, når en ser at en går i kraftmarkedet, er jo det motsatt logikk av det som er faktum. Når en går i kraftmarkedet til tross for at regjeringen har åpnet en ordning, viser det bare at kraftmarkedet er bedre enn det regjeringen har levert. Det er ikke et suksesskriterium for regjeringen, men det motsatte. Men det er åpenbart at industrien ikke ser noe behov for å sitte lenger og vente på politiske løsninger. De tar skjeen i sin egen hånd, og løser dette. Markedet fungerer, og regjeringen har feilet. Når det gjelder GASSMAKS, er det bra. Fremskrittspartiet har støttet det, og vi foreslo å styrke det. Problemet er bare at når noen kommer med forslag til gassbasert industri, som Alcoa, som luftet muligheten for å ha et gassbasert aluminiumsverk i Finnmark, var Arbeiderpartiet ute og sa at det kan vi ikke ha på grunn av klimapolitikken. Det viser at den politikken som en fører, er én klimapolitikk og en annen industripolitikk. Når en ikke har en industrimelding som knytter dette sammen, får en selvmotstridende resultater. Når det gjelder CO2-kompesasjonsordningen, tror jeg statsråd Trond Giske bør gå og se hva som var begrunnelsen for Solheim og Riis-Johansen. Det var ikke en teknisk begrunnelse, som statsråden her ga inntrykk av, men det var en prinsipiell begrunnelse. Det de sa, var at å innføre kompensasjon for CO2-kostnader ville bryte med prinsippet om at CO2 skal ha en pris. Ergo var det feil, det som statsråden sa på talerstolen her. Til slutt – handlingsregelen: Fremskrittspartiet ønsker ikke å slippe løs pengebruken. Vi ønsker å redusere veksten i offentlig sektor, og så ønsker vi å styrke investeringsmulighetene i infrastruktur og forskning. SSB har gjort beregninger på vår omlegging av statsbudsjettet som viser at vi vil få høyere BNP, høyere sysselsetting, lavere inflasjon og lavere rente. Alt dette er gode indikatorer for industrien. Arbeiderpartiet må gjerne fortsette å svartmale, men SSBs fasit viser noe helt annet, og det er den industrien kan se på.

Jeg minner representanten Aasland på at vi har et budsjett på langt over 1 000 mrd. kr, med relativt store muligheter til omprioriteringer, og jeg går ut fra at representanten Aasland lyttet enda nøyere til Ketil Solvik-Olsen enn han lytter til meg. Når jeg hører utsagn som «ikke slippe løs pengebruken», varmer det selvsagt et Høyre-hjerte og gjør at man føler seg veldig bekvem. Flere har ikke bedt om ordet til sak

10. Her foreligger det ikke noe forslag til debattopplegg. Det betyr at sakens ordfører, som er eneste inntegnede taler, har en taletid begrenset til 30 minutter. Som saksordfører legger jeg fram en enstemmig innstilling fra næringskomiteen. Formålet med selve innlemmelsen av dette direktivet er

Nå legges det et mer forpliktende samarbeid mellom undersøkelsesmyndighetene i EU. Her kommer krav til både statene og enkeltpersoner inn, og det kommer regler om hvilke sjøulykker som skal undersøkes, hvem som skal ha ansvaret for undersøkelsene, samt hvilke prosedyrer som skal følges. Direktivet pålegger en undersøkelsesplikt og fastsetter hovedansvar og deltakelsesansvar i undersøkelser når ulykken berører flere Et generelt prinsipp er at det ikke skal foretas parallelle undersøkelser. Det ligger krav til at det er et uavhengig organ som skal foreta undersøkelsen, og at de skal ha fri adgang til ethvert relevant område for undersøkelsen. Det slås fast at opplysningene som er framskaffet ved undersøkelsen, ikke skal benyttes til andre formål enn sjøsikkerhet.

Saken var plutselig ikke fullt så enkel for oss alle. Dette ser vi av de merknadene forskjellige partier står sammen om. Det er også steder hvor komiteen i sine merknader heldigvis er enig. Komiteens tilråding er, med alle partier unntatt Fremskrittspartiet, at Secora AS kan konverteres et ansvarlig lån på 50 mill. kr til egenkapital Jeg går ut fra at de partiene som har behov for å forklare hvorfor, gjør det i sine innlegg. For Fremskrittspartiet har det hele tiden vært en klar oppfatning at å støtte et statlig firma – i dette tilfellet Secora AS – med 50 mill. kr ville være feil bruk av offentlige midler. Secora AS ble stiftet 2004/2005, da Kystverkets produksjonsenhet ble skilt ut i eget selskap. Selskapet har administrasjonssenter i Svolvær og har ca. 110–120 ansatte. Siden etableringen har selskapet slitt med å levere tilfredsstillende resultater. Ved behandling av Prop. 83 S for 2010–2011 fikk regjeringen fullmakt til Ved behandling av Prop. 83 S for 2010–2011 fikk regjeringen fullmakt til å selge statens aksjer i Secora AS eller fusjonere selskapet med en industriell aktør. Selskapet er for øvrig 100 pst. statlig eid. Det er siden høsten 2011 arbeidet med å selge selskapet, men det har ikke vært noen enkel oppgave når man har hatt de forholdsvis dårlige driftsresultatene å vise til, samt at det også er flere private firmaer som konkurrerer om de samme jobbene hvor Secora AS befinner seg. Det er her det blir feil av Fremskrittspartiet å støtte saken. Fremskrittspartiet mener det blir feil å støtte et statlig eid firma med et lån på 50 mill. kr når dette firmaet konkurrerer med andre private firmaer om de samme jobbene. Det hadde nok antageligvis vært noe annerledes hvis Secora AS hadde vært et firma hvor kun dette hadde hatt kompetanse og utstyr m.m. til å utføre en viss type oppdrag, men når man konkurrerer med andre, blir dette feil for oss. At et firma kan gå konkurs uten tilførsel av kapital, er noe som er dagligdags for det private næringslivet, og da kan det ikke være slik at statlige firmaer blir tilgodesett på denne Fremskrittspartiet mener at det ikke er en offentlig oppgave å drive kommersiell virksomhet i direkte konkurranse med private aktører. Det har under komiteens tid med denne saken blitt sendt en rekke spørsmål, som jeg tidligere nevnte. Dette har bl.a. omhandlet salgsprisen på selskapet, hvor mange interessenter det har vært under prosessen, og hvordan man endte opp med Et annet viktig spørsmål var om salget var 100 pst. avhengig av en lånegaranti – noe det visstnok var. Det er også spurt om eventuelt andre betingelser og verdifastsettelser av Secora AS, noe som ble besvart med at verdifastsettelsen var på

Som saksordføraren sa, gav Stortinget Nærings- og handelsdepartementet fullmakt til å selja Secora sine aksjar eller fusjonera selskapet med ein industriell aktør. Utgangspunktet for at regjeringa bad om ei slik fullmakt, var at staten som eigar har avgrensa mogelegheita til å tilføra selskapet den industrielle kompetansen som Sidan hausten 2011 er det arbeidd med å selja selskapet, og Secora har slite med å levera tilfredsstillande lønsemd i perioden. Derfor kom regjeringa til Stortinget og bad om å kunna gje eit treårig ansvarleg lån – eg gjentar: treårig ansvarleg lån – på marknadsmessige vilkår. Regjeringa meiner det er ein betydeleg risiko for at selskapet utan tilførsel av kapital, ikkje kan innfri forpliktingane sine, og dermed gå konkurs. Dette synet deler det raud-grøne fleirtalet i komiteen. Den 16. november i år vart det inngått avtale om overdraging av staten sine aksjar i Secora til Torghatten ASA. Dette salet var under Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet viser til at eit lån er den mest forretningsmessig fornuftige løysinga for å unngå eit potensielt verditap for staten. Også Kristeleg Folkeparti og Høgre erkjenner at lånet kan vere naudsynt. Det gjer ikkje Framstegspartiet. Det er 116 tilsette i Torghatten kan vera ein langsiktig god industriell eigar av Secora. Vi har ei forplikting overfor kvar og ein av desse 116 til å prøva å gjera vårt beste for at dette skal bli ei lukkeleg og god løysing. Torghatten varetek også føresetnaden som Stortinget stilte om at selskapet skulle ha tilknyting til Nord-Noreg, og at dette skulle vektleggjast. Eg har òg merka meg at for å få ein god salsprosess, der alle potensielle interesser skulle ha mogelegheit til å delta, vart tidspunktet for når prosessen starta offentleggjort – noko som slett ikkje er vanleg. Eg vil òg nemna at alle dei tre som leverte bindande bod på Secora, sette som føresetnad at staten løyver og utbetaler lånet til Secora AS. Dette er heller ikkje unikt ved sal av verksemd; at seljar tar på seg eit garantiansvar overfor kjøpar. Å vera ein god eigar er etter dei raud-grøne sitt syn det beste og mest forretningsmessig fornuftige. Da er løysinga, viss ein skal unngå eit potensielt verditap, å gje dette ansvarlege lånet. Høyre er
Trond Giske

Høyre er for å redusere det statlige eierskapet, det er vel kjent. Det er mange måter å gjøre det på. En av de dårligste måtene er at selskapene går over ende. Samtidig som vi gjerne reduserer det statlige eierskapet, er det slik at når vi er eiere, har vi også når vi er eiere, har vi også et ansvar for å opptre på en ryddig og ansvarlig måte overfor selskapene. Det er grunnen til at vi i dette tilfellet sier ja til den transaksjonen som nå kommer. Salget hadde vi selvsagt håpet skulle kunne vært større – det er de facto ikke noen verdier igjen. Men vi ser at det er nødvendig å gi denne garantien. Det vi forutsetter, er at man følger opp det låneengasjementet man har, og bruker de midlene som er til rådighet fra kreditors side for kreditors side for å fremme mest mulig effektivisering og kostnadsreduksjon i Secora. Det er ikke så mye man kan gjøre med det fremover. Men en så stor garantist og kreditor vil selvfølgelig kunne ha en betydelig påvirkning, ikke minst gjennom betingelsene, som i utgangspunktet er markedsmessige. Utover det synes jeg ikke det er noen grunn til å til å si veldig mye om dette. Det er en uheldig situasjon som har oppstått. Vi har lenge ment at man burde selge selskapet – dette av flere grunner, ikke ideologisk for å redusere eierskapet, men fordi vi mente at det kunne fungere bedre på en annen måte. Nå viser det seg også at departementet og regjeringen har funnet ut at det finnes private eiere som man faktisk tror kan ta dette videre på en god måte. Derfor står vi også i tilrådingen for det som ligger i denne saken.

hvor målet har vært å finne en bærekraftig løsning for Secora og å vektlegge selskapets tilknytning til Nord-Norge etter at dette ble satt som forutsetning under Stortingets behandling av regjeringens forslag om salg, samtidig som departementet har hatt oppmerksomhet på å maksimere statens verdier ved å søke å få høyest mulig pris for statens aksjer. Departementet har ønsket å legge opp til en prosess hvor alle interessenter skulle kunne delta. Derfor offentliggjorde departementet i oktober 2011 at salgsprosessen var påbegynt, noe som ikke vanlig i den typen transaksjoner. Departementets rådgiver har sendt ut henvendelser til 34 mulige kjøpere nasjonalt og internasjonalt og har hatt møter med 13 mulige kjøpere. Salgsprosessen har vært krevende, bl.a. som følge av at selskapet har levert svake økonomiske resultater. Dette er nok også grunnen til at staten kun mottok tre bindende bud. Etter en helhetsvurdering valgte departementet å inngå avtale om salg med Torghatten ASA 16. november i år. Torghatten er et av Norges største transportkonsern og basert i Brønnøysund og har også maritim entreprenørvirksomhet gjennom datterselskapet Maritime Venture. Av de aktuelle framstår Torghatten som den industrielt og finansielt beste kjøperen av Secora. Torghatten vil også overta Secoras gjeld. Et salg tar forbehold om Konkurransetilsynets vurderinger, og at staten som selger bevilger et lån til selskapet i tråd med det departementet har foreslått for Stortinget. Alle de tre bindende tilbudene hadde samme forutsetning om at Stortinget bevilger lån til selskapet. Departementet fremmet proposisjonen om å bevilge til selskapet. Departementet fremmet proposisjonen om å bevilge et lån til Secora i juni. Bakgrunnen for regjeringens forslag var og er at Secora har levert svake økonomiske resultater. Den svake driftsutviklingen har ført til at likviditetssituasjonen er blitt svekket. Situasjonen er såpass alvorlig at det er utfordrende å sikre videre drift innenfor forsvarlige rammer. Tiltak som kan bringe selskapet ut av den krevende likviditetssituasjonen, er nødvendig for at selskapet skal kunne drives forsvarlig framover, og for å muliggjøre et salg. Gjennom avtalen med Torghatten har vi kommet fram til en løsning som kan legge til rette for en utvikling av Secora, og som er i tråd med føringene som er satt for et salg. Alternativet til salg og herunder bevilgning av et lån i tråd med regjeringens forslag, er trolig konkurs, med de konsekvenser og den usikkerhet dette medfører for staten og for selskapet – og ikke minst for de ansatte. Dette handler om å vise et ansvarlig eierskap. Jeg er glad for at alle partier på Stortinget, unntatt Fremskrittspartiet, står for en slik ansvarlighet.

og så endte det opp med én kjøper. Så kommer spørsmålet mitt, som ikke må misforstås: Kan man da si at Secora AS av forskjellige årsaker har vært dårlig drevet i tiden fra 2005 og til nå, når man samtidig vet at andre tilsvarende firmaer har overlevd denne perioden og gått i pluss? Det er mange og sammensatte årsaker til at Secora har hatt en utfordrende situasjon. situasjon. Secora har også overlevd, men har drevet med underskudd i en del år. Det kan være strukturelle årsaker – størrelsen på selskapet. Det kan selvsagt også være at det er gjort enkelte valg opp gjennom disse årene som ikke har vært nok, men det viktigste for oss er nå at vi finner en god løsning for selskapet. Det mener jeg at forslaget vårt og det Stortinget har sluttet seg til, innebærer. Det er også en risiko ved å være eier at ikke alle selskaper går like godt. Desto viktigere er det å vise ansvarlighet og finne en god løsning for å videreføre både de verdiene, den kompetansen og ikke minst de arbeidsplassene som ligger i et slikt selskap.

slik at det er ganske store verdier i det også. Det er også slik at en avvikling av et selskap ikke nødvendigvis er gratis – det kan også medføre kostnader – og en privat aktør ville kunne agert nøyaktig slik staten gjør, i dette tilfellet. Det er også grunn til å understreke at lånet skal gis på markedsmessige vilkår. Både statsråden og

mener statsråden at det er et utsagn som man kanskje også bør ta med seg videre i det statlige eierskapet, slik at man kan gå inn og ta avgjørelser basert nettopp på at man av og til ser begrensede muligheter for å tilføre kompetanse, før man står på trappen til

Vi mener at selskapet trenger å komme inn i et større industrielt miljø for å utvikle sin konkurransekraft. Det er jo for så vidt det samme vi sier om SAS også, så dette er ikke nødvendigvis relatert til størrelse – mens andre virksomheter som vi har, mener vi at vi er meget godt rustet til å eie og videreføre slik selskapene er. Utsagnet representanten referer til, var en veldig selskapsspesifikk vurdering av dette, ikke et generelt synspunkt på statlig eierskap. Replikkordskiftet er omme. Ja, vi er omme. Ja, vi er godt fornøyd med denne løsningen for selskapet Secora. Jeg kommer fra Lofoten hvor selskapet Secora er etablert, og jeg vet betydningen av å ha et sånt selskap i regionen. Som det framkommer i saken, har selskapet – som det er sagt her – på grunn av svake økonomiske resultater kommet i en veldig anstrengt økonomisk situasjon, og det har lenge hersket usikkerhet rundt selskapet, som selvfølgelig har slitt på de ansatte. Derfor er vi svært fornøyd med at vi i dag skal vedta en god løsning for dette selskapet.

potensialet og den kompetansen som dette selskapet, Secora, besitter. I tillegg ønsker Torghatten fortsatt å ha selskapet etablert i Svolvær med lokal ledelse. Det kan jeg fortelle at det er det veldig mange som er veldig glade for og veldig lettet over. Også Secoras administrerende direktør er fornøyd med at det er Torghatten som nå overtar. Det samme er hovedtillitsvalgt, som leder 116 ansatte. De er lettet over at salget er over, og er i tillegg tilfreds med at det ble et nordnorsk selskap som fikk tilsagnet. De sier også at nå går det bare én vei, og det er oppover. Jeg er glad for denne optimismen som de ansatte nå viser. Alt dette er helt i tråd med regjeringens intensjon med salget, som er å finne en god og bærekraftig løsning for Secora og å vektlegge selskapets tilknytning til Nord-Norge. Det får bare være med Fremskrittspartiets prinsipielle surmuling i denne saken, hvis det går an å si det sånn. Alternativet hadde vært at selskapet hadde gått konkurs. I så måte viser jeg til at Fremskrittspartiet ville, som det har vært sagt, stemme imot forslaget, og de sier i tillegg i sin merknad at man nå ser resultatet av dårlig eierskapsforvaltning fra regjeringens side. Jeg vil heller si det sånn: For selskapet Secora, de ansatte og kjøper ser vi i denne saken god eierskapsforvaltning fra For oss har det aller viktigste vært å finne en god industriell eier til Secora, sånn at verdifull kompetanse på feltet nå blir videreført. Dermed er debatten i sak nr. 12 avsluttet. Vi er da klare til å gå til votering.

forslag. Det er forslagene nr. 1–11, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslagene nr. 12–14, fra Knut Arild Hareide på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 15–62 og 71, fra Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet forslagene nr. 63–68, fra Knut Arild Hareide på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti forslag nr. 69, fra Øyvind Halleraker på vegne av Høyre forslag nr. 70, fra Knut Arild Hareide på vegne

Presidenten ønsker å ta voteringen en gang til. Denne gangen var det presidenten som stemte feil.